en sak til Stortinget, som en oppfølging av denne NOU-en. Høyre har ikke prinsipielt noen problemer med overtredelsesgebyrer. Derfor er det også naturlig for oss å si at det skal være de samme reglene i skipsarbeidsloven som i arbeidsmiljøloven. Men vi vil ikke ukritisk gå inn for nye gebyrer så lenge Stortinget ikke har fått seg forelagt en grundig og god gjennomgang av saken, slik som regjeringen har lovet i de åtte årene den har sittet. Regjeringen skal slippe å få skylden for de to årene før det. Til slutt har jeg lyst å adressere punktet om minstelønn, for der er jeg respektfullt uenig med mine gode venner i Fremskrittspartiet. Jeg og Høyre synes at et godt prinsipp i Norge er at lønnsdannelsen skal være fri. Det å ha en politisk bestemt lønn bryter med prinsippet om fri lønnsdannelse, og det bryter med det helt elementære prinsippet om at lønn er noe som fremforhandles mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eventuelt mellom de organisasjonene man har delegert dette arbeidet til. Minstelønn har dessuten en del praktiske problemer ved seg, fordi det er fryktelig vanskelig å sette nivået riktig. Setter man en minstelønn for høyt, kan man risikere at flere arbeidstakere blir konkurrert ut, og at det rett og slett forsvinner arbeidsplasser. Setter man en minstelønn for lavt, risikerer man at man gir en slags offentlig sanksjonert lav lønn, som arbeidsgivere med loven i hånd kan betale ut. Da er det bedre å holde på prinsippet om fri lønnsdannelse som hovedregel i norsk arbeidsliv. Jeg legger for øvrig merke til at representanten Gullvåg for en tid tilbake var og snakket om allmenngjøring til sjøs. Om det skyldtes representanten eller journalisten, våger ikke jeg å si noe om, men reportasjen ga i hvert fall et villedende inntrykk. Det kunne se ut som om representanten Gullvåg lovet norske sjøfolk at det skulle komme allmenngjøring til sjøs. Så viste det seg da regjeringen la frem sin handlingsplan mot sosial dumping, at det slett ikke var tilfellet. Det regjeringen skulle gjøre, var å utrede hvorvidt det var mulig å ha allmenngjøring til sjøs. Å utrede om det er mulig, har Høyre sagt er en god idé. Kunnskap har sjelden skadet noen. Men da er det villedende hvis det fester seg et inntrykk av at dette er noe regjeringspartiene går for, og noe som skal gjennomføres. SV er glad for at denne saken kommer, og at vi får på plass et mer likestilt vern for det som fra nå av skal hete skipsarbeidere. I likhet med representanten Røe Isaksen, har også jeg registrert den litt opphetede debatten om navnet. Jeg vil også si at fra vår side er det helt i orden om noen fortsatt har lyst å kalle seg sjømann, men i lovens tekst er det greit at det står som det står. SV slutter seg fullt og helt til saksordførerens innlegg, og jeg ser ingen grunn til å måtte gjenta det. Vi ser på det som skjer i dag, ikke bare som ønskelig, men som helt nødvendig. Vi har sett behovet for denne typen økt vern på land, og det er helt åpenbart at det er behov for denne typen tiltak og et styrket stillingsvern og en utvidelse av rettigheter også for sjøfolk. Det er gledelig at det er bredere enighet i denne saken enn i en del andre saker om disse temaene. Det synes jeg er fint. Jeg synes også det er bra at Fremskrittspartiet og særlig Høyre nå legger sine prinsipielle synspunkter og motstand mot en del av de tiltakene vi har innført mot sosial dumping, i skuffen. Det er viktig, fordi det handler om at man ser nødvendigheten og ønskeligheten av å bruke tiltakene, og at man ikke har en prinsipiell uenighet om det. Det synes jeg er bra. Men jeg er tilsvarende forundret over den skarpe ordbruken når disse tiltakene har vært anvendt på andre områder i arbeidslivet, der det viser seg å være helt nødvendig å ha det for å sikre arbeidstakerne de rettighetene vi mener at de skal ha, og som er lovfestet i arbeidsmiljøloven eller tariffestet i tariffavtaler. Og der har allmenngjøringsinstituttet vært et svært viktig virkemiddel, fordi det er riktig – som også representanten fra Høyre sier – at vi ønsker et system der det er partene i arbeidslivet som fastsetter lønnsnivåene. Det ønsker vi å beholde. Derfor ønsker vi at allmenngjøringsinstituttet skal være der for å sikre de sektorene, der man risikerer lønnsdumping og lønnsnedslag, der partene ikke klarer å bli enige, eller der det kan bli et stort innslag av sosial dumping. Derfor er det viktig at regjeringen i den nye handlingsplan 3 mot sosial dumping peker på at det er viktig å få utredet muligheten for allmenngjøring også i skipsfarten. Men det er partene i arbeidslivet som tar opp en sak om allmenngjøring. Det er ikke noe en regjering ensidig innfører på noe område uansett, det er opp til partene. Helt konkret er det bruken av administrative gebyrer det er stor diskusjon om. om. Jeg mener det er helt nødvendig at vi bruker det instrumentet. Og jeg mener det nå er litt opp til opposisjonen, som er veldig imot dette, å påvise at det har hatt noen særlig uheldig virkning. Tvert imot er dette tiltak som settes inn for å motvirke brudd på norsk lov og brudd på tariffavtaler, og at de som driver på uærlig vis, skal få konkurransefortrinn. I dag er det ekstremt lønnsomt å drive med sosial dumping, derfor må de tilsynene som har myndighet på dette området, ha mulighet til å bruke gebyrer mer enn de gjør i dag, nettopp for å motvirke ulovligheter. Oppfører man seg i henhold til loven, har man ingenting å frykte. frykte. Så sier også Høyre at det virker som om vi ensidig lytter til den ene part i andre saker, men ikke i denne. Jeg er glad for at partene i denne saken har vært mer enige. Kanskje har det også noe å gjøre med at partene i denne saken har sett situasjonens alvor tydeligere, og vært tydeligere på at man ønsker å beholde norske lønns- og arbeidsvilkår – ikke bare på land, men også til sjøs. Det mener jeg er en styrke for saken. Jeg må si at jeg er en styrke for saken. Jeg må si at jeg har reagert på at arbeidsgiversiden i Norge har vært så kritisk til en del av tiltakene mot sosial dumping på land – nettopp fordi tiltakene er til for å beskytte de ærlige bedriftene.

Det gjelder milliarder. Ordninga har vært vellykket, den har skapt optimisme – det er en samfunnskontrakt med rettigheter og plikter. Det vi nå snakker om, er forholdene for sjøfolka – forhold som går på jambyrdighet mellom mennesker, mellom folk. Hva som skjer i arbeidslivet, er avgjørende viktig for jambyrdigheten generelt. Det er viktig for oss å slåss for Samholds-Norge, derfor er denne loven viktig. Hva skjer? Jo, funksjoner splittes opp mellom rederi og formelle arbeidsgivere, og faren for å pulverisere arbeidsgiveransvaret er til stede. Dersom arbeidsgiveransvaret er uklart, kan flere aktører vri seg unna vanlige plikter, enten det gjelder forhold til lovverk, avtaler eller daglige oppgaver. I utenriksfarten er en splitting av arbeidsgiveroppgavene i praksis fast regel. Det er tre selskaper: skipseiende selskap, kommersielt rederi og bemanningsselskap eller I innenriks sjøfart har man fram til nå vært ansatt i det kommersielle rederiet. Men utviklinga går i retning av splitting. Et nytt eksempel er hurtigruta, med Trygve Hegnar som stor eier, som for øvrig har sikret store statsbevilgninger til selskapet, hvor en går inn for ansettelse i egne selskap utenfor det tradisjonelle driftsrederiet. Problemet er at bemanningsselskapet oftest ikke rår over kommersielle verdier, økonomi eller avgjørelsesmakt driftsoperative vurderingene, noe som er avgjørende for skipet som arbeidsplass. En formell arbeidsgiver kan i liten grad håndtere vanlig arbeidsgiveransvar, stillingsvern og andre forhold som er viktige for arbeidssituasjonen om bord. Regjeringa foreslår solidaransvar for rederiene. Det er bra. Men det er et avgrenset solidaransvar, som ikke sikrer sjøfolka godt nok. Etter forslaget skal rederiets solidaransvar stoppe ved lønn, feriepenger og noen andre avgrensede økonomiske krav. Det innebærer at andre krav mot arbeidsgiver som følge av tilsettingskontrakt eller annet rettsgrunnlag ikke kan gjøres gjeldende. Erstatningskrav i samband med eksempelvis oppsigelse, diskriminering og varsling kan dermed ikke kreves av rederiet – dette på tross av særtrekk i skipsfarten, som at arbeidsgiver ikke har instruksjonsrett på arbeidsplassen. Bemanningsselskapene står bare for det formelle arbeidsgiveransvaret. Årsaken til oppsigelse vil dessuten ofte skyldes forhold i det driftsansvarlige rederiet, ikke forhold hos bemanningsselskapet. Det er gledelig at en samlet komité mener at bruk av bemanningsselskap, formidlingsselskap og crew-selskap av ulik karakter bidrar til å utvanne arbeidsgiveransvaret. Derfor er det et minstekrav at arbeidstaker må vite hvem som til enhver tid er Særlig er det viktig for å gjøre gjeldende solidaransvaret, og dermed pliktene for rederiet etter § 2-4. Derfor sier ny lov § 2-2 tredje ledd annet punktum at arbeidsgiver har alminnelig plikt til å opplyse overfor arbeidstaker hvem som til enhver tid er rederiet. Det er en samlet komité som gjør loven bedre på dette punkt, og det er bra. Sjømannsorganisasjonene tar til orde for å utvide solidaransvaret utover det som ligger i regjeringas forslag til ny skipsarbeidslov. Sjømannsorganisasjonenes standpunkt er ny § 2-4 tredje ledd: «Rederiet er solidarisk ansvarlig med arbeidsgiveren for de økonomiske krav arbeidstaker som har sitt arbeid på skipet har etter loven eller etter forskrift gitt med hjemmel i loven eller etter Senterpartiet er enig i dette, men det har ikke vært mulig å få flertall for denne forbedringa av loven. Vi fikk bare forbedringa i § 2-2 tredje ledd, som en samlet komité var enig om. Det er imidlertid viktig å påpeke at alle partiene, unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, sier at en ber departementet i samband med vurdering av regler for innleie også vurdere solidaransvarets omfang, herunder stillingsvernet. Det er vesentlig at det skjer. Vi trenger solide rederier som tenker langsiktig. Det er det rederiskatten er bygd på: den samfunnskontrakten overfor ansatte og det norske flagg, med rettigheter og plikter. Derfor er det vesentlig at rederiene viser at de følger opp dette. Det er avgjørende for de gunstige rammebetingelsene som rederiene har med base i Norge. Det er

Folkeparti har i det vesentlige støttet forslaget fra regjeringen. Bakgrunnen for det er at det har blitt tatt hensyn til de særskilte forholdene som er en del av arbeidssituasjonen for arbeidstakere om bord på skip. Den nye loven bidrar til å fremme stillingsvernet for disse arbeidstakerne, samtidig som en sikrer nødvendig fleksibilitet for fiskerinæringen. For å opprettholde og skape arbeidsplasser i skips- og fiskerinæringen er det avgjørende at regelverket tar hensyn både til fleksibilitet på arbeidsgiversiden og til tilstrekkelig vern for arbeidstakeren for å sikre forutberegnelighet. Når det gjelder retten til å stå i arbeid ved oppsigelse, må loven ta hensyn til at arbeidsplassen er et 24-timerssamfunn. Det er derfor av avgjørende betydning at denne retten som utgangspunkt ikke strekker seg lenger enn mens forhandlingene pågår, og ikke gjennom hele rettsprosessen, slik arbeidsmiljølovens bestemmelser legger til grunn. Hensynet til alles sikkerhet må stå i høysetet. Kristelig Folkeparti er svært opptatt av at arbeidslivet skal kunne kombineres med familielivet. Derfor er det svært viktig at det nå blir vedtatt en utvidelse av arbeidstakere på sjøen sin rett til permisjon. permisjon. En forutsetning for at foreldre skal kunne ha arbeid på sjøen, er at de bl.a. får rett til fri ved barns sykdom og en utvidet rett til fødselspermisjon. Skal arbeidstakervernet for sjøfolk reelt bli styrket, er det avhengig av at det foreligger avklarte regler rundt ansvarsplassering. Det er derfor positivt at rederiets solidaransvar nå blir presisert ved at de får ansvar for å påse at Skipsarbeidere vil ved loven som blir vedtatt i dag, få et vern som medfører at sjøfolk får tilsvarende rettigheter som andre arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven. Det er Kristelig Folkeparti veldig glad for. Kombinasjonen mellom verneregler for arbeidstakere og fleksibilitet for arbeidsgivere er sentralt for å få et bærekraftig arbeidsliv på sjøen. Helt til slutt: Jeg har merket meg at en gammel, overbevist kommunist, Jon Michelet, har fnyst i full offentlighet over at det godt innarbeidede begrepet «sjømann» nå blir forandret til «skipsarbeidstaker». På den ene siden er det helt på sin plass å innføre likestilling i begrepsbruken om arbeidstakere om bord på skip. Det faller seg selvsagt ikke naturlig for en dyktig kvinnelig skipsoffiser å omtale seg selv som sjømann. På den andre siden har nok den gode Jon Michelet et poeng. Det blir liksom ikke samme sus over det hvis vi i framtiden skal snakke om «den norske skipsarbeidstakerkirken i New Orleans», eller om «norsk skipsarbeidertakerforbund». Ordet «sjømann» har nå engang en spesiell klang i det norske språket. Men det nye begrepet blir vel en tilvenningssak. Jeg skal holde meg hard og stemme for lovens overskrift og loven i sin helhet – slik vi Men i respekt for generasjoner av norske sjømenn vil nok den røde knappen være noe mer fristende enn vanlig når vi skal votere over siste del av lovvedtaket denne gangen. Utkastet til skipsarbeidslov skal erstatte den

Et hovedhensyn ved utformingen av skipsarbeidsloven har derfor vært å se hen til de rettigheter som øvrige arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven, og så langt som mulig bringe sjøfolks rettigheter opp på det samme nivået. Samtidig er det særskilte forhold som gjør seg gjeldende ved å arbeide til sjøs, noe som både tilsier at arbeidslivet til sjøs fortsatt bør reguleres av en egen lov, og at lovgivningen bør inneholde tilstrekkelig fleksibilitet og tilpasninger til skipsfartens og fiskeflåtens behov. Ved utforming av loven er det også viktig å ta hensyn til at vesentlige deler av den norske flåten er konkurranseutsatt, i første rekke utenriks skipsfart og offshore. Dersom regulering av drift under norsk flagg blir vesentlig forskjellig fra drift under utenlandsk flagg, kan man risikere at norsk flagg velges bort – med dertil tap av norske arbeidsplasser. Lovutkastet som regjeringen har lagt fram, innebærer både en forbedring av stillingsvernet og en utvidelse av rettigheter som samlet sett gir en vesentlig styrking av sjøfolks stilling. Samtidig medfører lovforslaget at konkurranseevnen til norske skip i utenriksfart i det alt vesentlige opprettholdes. Jeg vil nå kort peke på de viktigste trekkene ved den nye loven. Utviklingen av stillingsvernet har gått i et langsommere tempo enn for øvrige arbeidstakere. Her gir lovutkastet flere forbedringer. Blant annet foreslås det å styrke fortrinnsretten, herunder fortrinnsrett for deltidsansatte, samt at det foreslås en plikt til å informere om ledige stillinger i virksomheten. I lovutkastet foreslås det å videreføre dagens hovedregel om fast ansettelse. Det foreslås imidlertid innført en drøftingsplikt ved bruk av midlertidige ansettelser samt at arbeidstakere som har vært ansatt i minst fire år, har krav på fast ansettelse. Sjøfolk har i dag bedre rettigheter enn øvrige arbeidstakere ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade. Rederier har tilsvarende en større økonomisk byrde i slike situasjoner enn arbeidsgivere på land. Det foreslås å opprettholde denne særrettigheten for sjøfolk, men samtidig begrense arbeidsgivers lønnsplikt til ett år fra uførheten oppsto. Videre foreslås det innført en rett for sjøfolk til å fortsette i stillingen ved tvist om hvorvidt en oppsigelse er ulovlig. Sjømannsloven inneholder ikke regler om vern av varslere. Selv om jeg kan se at de særlige hensynene som gjør seg gjeldende ved at skipet er et 24-timerssamfunn, er det etter min vurdering riktig å innføre tilsvarende bestemmelser om ekstern varsling som den som finnes i arbeidsmiljøloven. Lovutkastet innebærer også en modernisering og klargjøring av prosessreglene etter mønster av arbeidsmiljøloven, med egne bestemmelser om rett til å kreve forhandlinger, søksmålsfrister, fristforlengelse og oppfriskning, og om rettens behandling av tvister om arbeidsforhold i Norge. Målsettingen om at flere skal arbeide lenger, har gjort det nødvendig å vurdere om sjømannslovens 62-årsgrense bør heves. Rettspraksis viser også at lovbestemte aldersgrenser må ligge innenfor adgangen til å gjøre unntak fra forbudet mot aldersgrenser etter EUs rammedirektiv. Etter min oppfatning bør den generelle aldersgrensen heves til 70 år, samtidig som det uttrykkelig åpnes for at lavere grenser kan følge av annet grunnlag innenfor rammen av det EU-rettslige diskrimineringsforbudet. En annen viktig styrking av rettigheter i loven gjelder permisjonsrettigheter. Permisjonsrettigheter er særlig viktig for å kunne tilpasse deltakelse i arbeidslivet til familieliv og omsorgsforpliktelser, og de har sånn sett en likestillingsside. Ansvarsplassering har ved utformingen av loven vært et av de mest sentrale, og samtidig vanskeligste, spørsmålene. Utgangspunktet i lovutkastet – som etter dagens sjømannslov og arbeidsmiljøloven – er at det er arbeidsgiver som primært er ansvarlig for å sørge for at lovens krav Samtidig er det slik innenfor skipsfarten at arbeidsgiver ikke alltid vil være den samme som den som driver skipet. Både internasjonale forpliktelser og det forhold at den driftsansvarlige har ansvaret for de vesentlige risikofaktorene på skipet og faktisk sett utøver styring og kontroll med arbeidstakerne om bord, tilsier at ansvar også må plasseres hos det driftsansvarlige rederiet. For det første foreslås en plikt for rederiet til å påse at arbeidsgiver overholder sine plikter etter loven og arbeidsavtalen. For det andre foreslås det å gjøre rederiet solidarisk ansvarlig med arbeidsgiveren for økonomiske rettigheter som følger av loven, kapittel 4. Solidaransvaret må ses i sammenheng med innleie av arbeidskraft. I lovutkastet foreslås det ingen begrensninger i adgangen til innleie, noe et samlet utvalg heller ikke har foreslått. Fra utvalgets side ble det konkludert med at skipsfartens organisering av virksomheten innebærer at innføring av slike regler ville kunne medføre betydelige konsekvenser. Vi skal følge utviklingen på området

Et hovedhensyn med utformingen av skipsarbeidsloven har vært å sammenligne de rettigheter som øvrige arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven, og så langt som mulig bringe sjøfolks rettigheter opp på samme nivå. Samtidig er det særskilte forhold som gjør seg gjeldende ved å arbeide til sjøs. Det tilsier at arbeidslivet til sjøs fortsatt bør reguleres av en egen lov, og at lovgivningen bør inneholde tilstrekkelig fleksibilitet og tilpasninger til skipsfartens og fiskerinæringens behov. Lovforslaget som i dag vedtas, innebærer både en forbedring av stillingsvernet og en utvidelse av rettigheter, som samlet sett gir en vesentlig styrking av sjøfolks stilling. Samtidig medfører lovforslaget at konkurranseevnen til norske skip i utenriksfart opprettholdes. Det innføres nå en heving av pensjonsalderen for sjøfolk fra 62 år til 70 år, slik at de som vil, kan jobbe lenger. I loven utvides og klargjøres også folks permisjonsrettigheter. Vi styrker nå arbeidstakernes rett til drøfting med, og informasjon fra, arbeidsgiver. Rederiet er solidarisk ansvarlig for at alle om bord får den lønnen de har krav på. Lovutvalget kom med en enstemmig innstilling om at tittelen «sjømann» i lovteksten byttes ut med «arbeidstaker». Det er nok den siden av revideringen som har fått mest oppmerksomhet i media – som det tidligere har vært sagt her. Mange synes at det i det maritime Norge er uhørt at man ikke skal kunne kalle seg sjømann lenger. Nå er det Nå er det ikke slik at vi kommer med sanksjoner overfor dem som kommer til å kalle seg sjømann framover. Vi får en kjønnsnøytral, ny terminologi som er mer inkluderende for kvinnelige sjøfolk, for det skal ikke lenger hete «gravid sjømann», som det nå gjør i lovteksten, § 13. En juridisk tekst skal være så entydig og nøytral som mulig. Derfor mener jeg denne endringen er en tilpasning til det moderne arbeidslivet vi har, hvor kvinner like gjerne som menn jobber som sjøfolk. Om de ønsker å bruke tittelen «sjømann» om seg selv, er det fortsatt fullt mulig. Ordet «sjømann» har vært en hedersbetegnelse, og den historiske betydningen av det er det ingen som vil ta bort. Vi regulerer resten av arbeidslivet som arbeidstager og arbeidsgiver. Dermed er det, når vi har en gjennomgang i 2013, helt naturlig å omtale også arbeidslivet til sjøs
Neste taler er

Derfor synes jeg det er uheldig at diskusjonen om de kjønnsnøytrale begrepene har overskygget alt det andre viktige for sjøfolkene som ligger i denne saken. I yrkeslivet ellers har de jo klart å finne kjønnsnøytrale yrkesbenevnelser, og jeg er sikker på at både fylkesmann, lensmann og sysselmann vil bli avløst med tiden. Jeg gleder meg uansett stort over at flere kvinner nå jobber både på dekk og i maskinen, og både som offiserer og i andre typer stillinger om bord. Jeg er ikke i tvil om at det er forbedringen i arbeidstakernes rettigheter generelt og for skipsfarten spesielt som har gitt denne fine effekten. Samfunnet og likestillingen går framover også i skipsfartsnæringen, og

Det er dette fortrinnet vi først og fremst må ta vare på. For meg virker det som om opposisjonen i dag har mange fine ord om skipsfartens betydning og om viktigheten av å ha norske sjøfolk, men når det kommer til helheten, spriker opposisjonens politikk i alle retninger. Dette er ikke bra for skipsfartsnasjonen, for skipsfartsnæringen og for dem som planlegger planlegger en framtid i disse yrkene. Dette synes jeg at saksordføreren beskrev på en god måte i sitt innlegg. Jeg synes også denne mangelen på helhetlig maritim opposisjonspolitikk beskrives godt i siste nummer av sjøfolkenes medlemsblad – Maritime Logg. Her framgår det da også naturlig nok at har størst tillitt til den rød-grønne politikken. Selv om komiteen har funnet sammen i deler av denne saken, vet vi at dersom det skulle bli et annet stortingsflertall til høsten, vil mye av den maritime politikken kunne settes i spill. Det har ikke skipsfartsnasjonen Norge på noen

men at det nok er hans vegring mot å bidra til fellesskapet her i Norge som er hovedgrunnen til at han sier det han sier. Jeg synes det er trist at den maritime kompetansen i Norge blir snakket ned på en slik måte. Dette burde vi kunne ha oss frabedt. Dette er noe norske sjøfolk skal merke seg, fordi det i aller høyeste grad

representantene som har tatt del i denne debatten, har sammenlignet sjømenn og fylkesmenn. La meg da få lov til å bemerke at jeg ikke er like sikker på om graviditet er like aktuelt for den sistnevnte yrkesgruppen. Det var i grunnen representanten Røe Isaksens bemerkning om allmenngjøring som gjorde at jeg tillater meg å bemerke at allmenngjøring er et institutt som vi bruker for å lovfeste tariffer når det er nødvendig. Når regjeringen sier at den ønsker å vurdere allmenngjøring av tariffene på sjøfartsområdet, er det fordi mye taler for at det er nødvendig å få regulert lønnsdannelsen gjennom en allmenngjøringslov. På samme måte antar jeg det er når Høyre ønsker å utrede NIS på kysten: Jeg antar at det er når Høyre ønsker å utrede NIS på kysten: Jeg antar at man ønsker å utrede det fordi Høyre mener det er aktuelt å innføre NIS i deler av eller i hele norsk innenriks sjøfart. Men jeg forstår godt at Høyre ønsker å utrede konsekvensene av en slik innføring. For oss andre er de ganske åpenbare. Det er jo er jo i og for seg prisverdig at regjeringen ønsker å utrede. Jeg tror at noe av grunnen til at regjeringen ønsker å utrede allmenngjøring til sjøs, og formulerer seg på den måten, er at man møter betydelige juridiske problemer ved å innføre en allmenngjøringsordning– slik som vi har i enkelte bransjer på land – til sjøs, bl.a. fordi Norge der er bundet av en del internasjonale avtaler som vi ikke har i landbasert industri. Det eneste jeg konstaterte, var at i det oppslaget i Stavanger Aftenblad hvor representanten Gullvåg var med – han tok seg godt ut også på bildet, sommerfrisk og fin – var det etterlatt et inntrykk av at dette var noe regjeringen skulle gjøre. Ja, det ble nærmest fremstilt som om dette var regjeringens politikk, og at de ville komme med forslag om det, mens regjeringen da legger frem et forslag om noe helt annet, nemlig om å utrede konsekvensene. Da har enten journalisten overdrevet, eller så har representanten tatt munnen for full. Så må jeg si at det er litt spesielt å bli anklaget for at det spriker i opposisjonen, når en representant fra regjeringspartiene brukte en dobbeltside i Dagens Næringsliv på å fortelle at han ville stemme imot regjeringens eget forslag. Vi er da fire partier i opposisjonen som er enige om nesten alt i denne meldingen, men ikke om absolutt alt. Det er nå én ting. Vi skal nok helt sikkert klare å bli enige om dette feltet også. Men at regjeringspartiene skal anklage opposisjonen for å sprike når de ikke engang selv klarer å holde seg samlet, synes jeg mildt sagt er spesielt. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 18. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 19. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 24 minutter og fordeles med inntil 3 minutter til hvert parti og inntil 3 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte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

har blitt en viktig del av vår hverdag, innenfor alt fra taxibestilling til avanserte offshoreoperasjoner. Den norske romsatsingen kan vise til mange suksesshistorier, som f.eks. den norske AIS-satellitteknologien. Vår styrke ligger i industrielle nisjer og innen anvendelse av rombaserte tjenester. I komiteen er det bred enighet om norsk romfartspolitikk på tvers av partigrensene. Jeg vil benytte anledningen til å takke komiteen for et godt samarbeid i arbeidet med meldingen. Norsk politikk for romvirksomhet har alltid vært nytteorientert. Romvirksomhet har ikke vært et mål i seg selv, men et verktøy for å ivareta norske interesser. Den offentlige innsatsen har på bakgrunn av dette i hovedsak vært rettet mot å fremme høyteknologisk verdiskaping i norsk industri, og mot å dekke konkrete behov knyttet til kommunikasjon, navigasjon og jordobservasjon.

Det tredje forholdet som vil avgjøre retning og mulighetsrom i årene framover, er endringer i de internasjonale organisasjonene som utgjør ryggraden i norsk satsing på romvirksomhet. Romvirksomheten er i økende grad en forutsetning for at vi skal kunne opprettholde vår rolle som en stor maritim nasjon, en nordområdenasjon, en teknologinasjon og en miljønasjon. Romvirksomheten skal fortsatt

Komiteen forventer videre at det føres en aktiv politikk for å ivareta norske interesser i Galileo og Copernicus. Komiteen støtter regjeringen i at Norsk Romsenter fortsatt skal være statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet, til beste for det norske samfunn. Norges geografiske fortrinn på fastlandet og andre steder der norsk romrelatert bakkeinfrastruktur driftes, har i lang tid blitt utnyttet for å bygge opp aktiviteter som i dag har internasjonalt ledende posisjoner i enkelte nisjer av romvirksomheten. Dette gjelder bl.a. Andøya Rakettskytefelt samt nedlesingsstasjoner for satellitter i polare baner fra Svalbard, Jan Mayen og Antarktis. Gode satellittløsninger for å dekke norske behov er en av de sentrale målsettingene for norsk romvirksomhet. En viktig utfordring i årene framover blir å legge til rette for at norske myndigheter og brukere kan få tilgang til den rombaserte infrastrukturen som er nødvendig for en sikker, bærekraftig og effektiv bruk av bl.a. nordområdene. Aktiviteten i nordområdene og Arktis er økende, og offshorenæringen beveger seg stadig lenger inn i Arktis. Redusert isutbredelse er i ferd med å gjøre skipsfartsrutene langs Polhavet kommersielt interessante. En sikker, effektiv og bærekraftig naturressursutnyttelse og skipsfart i nordområdene og Arktis er i stor grad avhengig av bruk av satellittbasert infrastruktur. Kommunikasjon, navigasjon og overvåking basert på satellitter har blitt svært viktig for å ivareta sikkerhetsrelaterte og beredskapsrelaterte myndighetsoppgaver som sjøredning, oljeberedskap og krisehåndtering. Bruk av satellitter innebærer nye og kostnadseffektive muligheter for å håndtere samfunnets sårbarhet. Komiteen viser også til at samspillet mellom satellitter og ubemannede fly har et stort potensial for å bli et viktig redskap for samfunnet i slike

Norge har blitt en betydelig deltaker i ESA. I fjor forpliktet vi oss til å delta med nesten 145 mill. euro i ESAs utviklingsprogrammer. Vi har også sluttet oss til EUs romprogrammer Galileo og Copernicus og samarbeider med Canada om radarsatellitter. Ikke minst har vi hatt en sterk norsk næringsutvikling hvor norske bedrifter har opparbeidet seg en sterk posisjon innen flere nisjer av romrelatert teknologi. Samtidig ser vi at rammevilkårene for norsk romvirksomhet er i ferd med å endre seg. Den teknologiske utviklingen har flyttet grensene for hva som kan gjøres med romteknologi. Det blir mer kostnadseffektivt, og det teknologiske handlingsrommet øker. Norge møter også på mange områder nye utfordringer som satellittbaserte systemer kan spille en sentral rolle for å løse: miljø og klima, maritim aktivitet, og offshorevirksomhet i nordområdene – for å nevne noen. Det internasjonale rammeverket for romvirksomhet endrer seg også kraftig. Derfor mente regjeringen det var på tide at norsk rompolitikk på nytt forankres i Stortinget. Gjennom denne meldingen ønsker vi å legge grunnlaget for en politikk som kan sikre at Norge får størst mulig utbytte av romvirksomhet også i årene framover. Satsing på romvirksomhet har tjent Norge godt. Hovedtrekkene i norsk politikk på romvirksomheten vil derfor videreføres. Norsk romvirksomhet har alltid vært nytteorientert. Slik skal det fortsette å være. Hovedformålet med norsk romvirksomhet skal være å skaffe verktøy for å ivareta norske interesser. Regjeringen foreslår i meldingen en rekke tiltak som skal bidra til at Norge drar størst mulig nytte av Vi vil alltid være avhengig av internasjonalt samarbeid for å få til gode rombaserte løsninger på en effektiv måte. Samarbeid gjennom ESA vil fortsette å være ryggraden i norsk romsatsing, men vi må også samarbeide med EU, og – når det er behov for det – andre land og organisasjoner. Vi har satt opp fire mål for norsk romvirksomhet: lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting dekning av viktige samfunns- og brukerbehov bedre utnyttelse av internasjonalt samarbeid om romvirksomhet god nasjonal forvaltning av romvirksomhet. Vi vil i tiden framover jobbe videre med å se på konkrete tiltak som kan bidra til at disse målene oppnås. Romvirksomhet har i løpet av de siste ti årene i stadig større grad blitt en forutsetning for verdiskapning og bærekraft, og for at nordmenn skal kunne leve gode og komfortable liv. Denne meldingen legger grunnlaget for at vi skal kunne ivareta Norges interesser innen romvirksomhet i årene som både som næringsområde og ikke minst nytten av all den kunnskapen vi får av rombasert satsing. Det blir replikkordskifte.

i det så langt våre budsjetter tilsier det. Dette er et område vi har stor interesse av, og hvor Russland kan være en samarbeidspartner, men jeg tror også andre vil være interessert i den type satsing. Dette er

sier om denne saken. Har det vært en reell økning – jeg understreker reell økning – eller har det vært «stand by»? I hvert fall når det gjelder romsatsingen har det definitivt vært en enorm økning. Så vidt jeg husker, er det så å si en tredobling siden vi overtok i 2005. Så kan det variere litt fra år til år hvordan de pengene fordeler seg, bl.a. ut fra de internasjonale programmene vi deltar i. Men at romsatsing har vært et viktig område for regjeringen, særlig i det internasjonale samarbeidet, kan det ikke herske noen tvil om ut fra de budsjettene som foreligger. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 19. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 24 minutter og fordeles med inntil 3 minutter til hvert parti og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

– vær så god.

bruk av immaterielle verdiar og rettar i næringslivet og i offentleg sektor. Over heile verda er det ein kraftig auke i talet på registrerte rettar. Samtidig tyder målingar på at norske bedrifter brukar immaterielle rettar mindre enn bedrifter i andre land. Undersøkingar tyder på at det kan vere behov for meir informasjon om og meir fokus på immaterielle rettar her i landet. Det er likevel ikkje sikkert at alle immaterielle rettar kan er det alltid den beste måten å vareta kommersielle og samfunnsmessige interesser på. Det vil variere noko frå bransje til bransje og frå ein type innovasjon til ein annan. Eg rekk ikkje å gå inn på alle dei konkrete forslaga som komiteen omtalar i sine merknader, men innstillinga viser at det er brei semje om dei tiltaka som blir presenterte i stortingsmeldinga. For næringslivet er det viktig å ha eit funksjonelt regelverk for vern av immaterielle rettar. Regjeringa vil halde fram med å utvikle regelverket på dette området for å sikre næringslivet gode kommersielle vilkår, og komiteen støttar dei forslaga som her ligg føre. Det er viktig å auke kunnskapen om immaterielle rettar både i næringslivet og i resten av samfunnet. Regjeringa foreslår fleire tiltak for å betre opplæringa på dette området. området. Det omfattar tiltak på alle nivå, frå Ungt Entreprenørskap i grunnskole og vidaregåande skole til forskarutdanning. Regjeringa vil vidareutvikle Patentstyret, både som forvaltar og som kompetansesenter. Regjeringa foreslår også å etablere eit rettleiings- og rådgjevingssenter for små og mellomstore bedrifter. Som kjent er det ofte små og mellomstore bedrifter som korleis dei skal handtere immaterielle rettar i eit komplekst rettssystem. EU har vedtatt ei forordning om legemiddel til barn. Forordninga skal gje insentiv til å auke forskinga på dette området. Regjeringa har som mål at forordninga skal takast inn i EØS-avtalen og bli innført i norsk rett så raskt som råd. I politikkutvikling er det, som på andre viktige område, på dette området. Regjeringa har som mål at forordninga skal takast inn i EØS-avtalen og bli innført i norsk rett så raskt som råd. I politikkutvikling er det, som på andre viktige område, viktig å ha god og relevant kunnskap. Vi treng meir kunnskap om samanhengen mellom vern av immaterielle rettar og kva for konsekvensar det har for innovasjon og verdiskaping. Det vil regjeringa

Fremskrittspartiet har i ulike saker også tidligere påpekt dette. Det er svært positivt at komiteen og regjeringen ønsker å utvikle Patentstyret videre, både som forvalter og som kompetansesenter, noe Fremskrittspartiet har ment lenge. En annen ting Fremskrittspartiet vil peke på i denne saken, er omfanget av piratkopiering og varemerkeforfalskning. Dette er svært økende – dessverre – og fører til at seriøse bedrifter blir rammet og i verste fall kan gå konkurs. Fremskrittspartiet er derfor fornøyd med at det skal etableres et nettsted med informasjon om dette og et tilhørende myndighetssamarbeid. Piratkopiering og varemerkeforfalskning bør og må nedkjempes. Ellers er Fremskrittspartiet enig i at man må øke kunnskapen om immaterielle retter både i næringslivet og i resten av samfunnet. Avslutningsvis vil Fremskrittspartiet selvfølgelig støtte at Norge er med på internasjonale avtaler og hele tiden oppdaterer regelverk og ordninger. Dette er en forutsetning for å bli oppfattet som en seriøs partner av våre samarbeidsland. Som saksordføreren redegjorde for, er enstemmig komité, så det er ikke så store avvik. Men Høyre har noen merknader. Vi viser også til at EU i 2006 vedtok en forordning om legemiddel til barn, og at regjeringen i Meld. St. 28 varsler at den har som mål at forordningen skal innføres i norsk rett så raskt som mulig. I Høyre mener vi det er positivt at regjeringen nå signaliserer en rask implementering av pediatriforordningen, noe vi har engasjert oss for Vi finner grunn til å vise til at det på tross av seks år med forhandlinger mellom EU og EØS, ikke synes å være noen snarlig løsning på utfordringene knyttet til hvem som skal ha den økonomiske sanksjonsmyndigheten til denne forordningen. I påvente av nasjonal juridisk implementering mener vi derfor det bør vurderes å innføre midlertidige tiltak for å vise at norske myndigheter anerkjenner intensjonen i regelverket og viktigheten av markedseksklusivitet som et nødvendig insitament for forskning og utvikling. En løsning kan være at legemidler som har gjennomført studieprogram, ikke oppføres på bytteliste/trinnpris før seks måneder etter patentutløp. Forøvrig vil jeg vise til at det i forbindelse med Høyres forslag om en langsiktig strategi for biomedisin, Dokument 8:48 S for 2010–2011, ble foreslått at det skulle legges fram en sak for Stortinget om rettstilstanden ved bytte av legemidler – biologiske legemidler spesielt – hvor saksframlegget bl.a. redegjør for hvordan regjeringen mener rettstilstanden er, og bør være,

næringspolitikkens mål om størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi og arbeid for alle. Internasjonale økonomiske forhold og rammevilkår endrer seg raskt, og da må også håndteringen av immaterielle verdier og rettigheter endres. Blant annet ser vi at antallet immaterielle rettigheter som registreres internasjonalt, øker. I framvoksende økonomier sikrer næringslivet seg i stadig større grad slike rettigheter. Internasjonal handel og samarbeid involverer også ofte håndtering av immaterielle rettigheter. Utviklingen øker behovet for kompetanse og bevissthet om håndtering av immaterielle rettigheter som et strategisk verktøy i utviklingen av norsk næringsliv. Den øker også behovet for et oppdatert regelverk tilpasset den økonomiske virkeligheten som næringslivet opplever. Norges framtidige konkurranseevne er avhengig av omstillingsdyktige virksomheter og arbeidstakere som tar i bruk og bygger mer kunnskap og teknologi inn i produktene. Dette innebærer bl.a. at virksomhetene må ha bevissthet og kompetanse om immaterielle verdier. Når immaterielle verdier får økt betydning økonomisk, får disse også mer å si for næringspolitikken. Analyser vi har gjort i arbeidet med meldingen, viser at svært mange i Norge at piratkopiering skjer i stort omfang også i Norge og rammer norske virksomheter, at kompetansen og bevisstheten om fagfeltet trolig er for lav i deler av norsk næringsliv, i akademia, i helseforetakene, i virkemiddelapparatet, hos offentlige myndigheter og blant folk flest. Manglende kompetanse og bevissthet kan ha alvorlige konsekvenser. Dette vil kunne føre til at bedrifter får dårligere konkurranseevne og tapt inntjening, at de får sine innovasjoner kopiert av konkurrenter, at de kan gjøres ansvarlig for eller at de kan oppleves som mindre attraktive samarbeidspartnere. Derfor må kompetanseutfordringen tas på alvor, og derfor er den en helt sentral del av meldingen. Vi har hatt et bredt arbeid med meldingen for å få innspill fra mange hold. Jeg mener at meldingen har en god blanding av helt konkrete, umiddelbare tiltak og mer langsiktige tiltak innenfor et bredt sett utdanningstilbud, videreutvikling av Patenstyret, forbedring av regelverket, bekjempelse av piratkopiering og varemerkeforfalskning og styrket kunnskapsgrunnlag. Vi er glad for at hovedtrekkene i meldingen har fått god tilslutning i Stortinget, og vi gleder oss til å jobbe med oppfølgingen av et viktig arbeid.

får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. De forslagene vi behandler i dag, er

Mens den totale produksjonen i norsk verkstedindustri har økt betydelig fra 2005, har det ikke vært vekst i annen norsk industri, og mange næringer sliter. Timelønnen i norsk industri er i dag om lag 70 pst. høyere enn hos våre handelspartnere, og Norge har en lavere innovasjonsgrad enn våre konkurrenter. Der Norge i årene 2001 – 2005 hadde en årlig produktivitetsvekst som lå høyt, 3 pst. årlig, og høyere enn hos våre handelspartnere, har Norge i årene mellom 2006 og 2011 hatt en lav produktivitetsvekst, 0,5 pst., og lavere enn hos våre handelspartnere. Vår konkurransekraft er altså betydelig svekket, og vi ser en betydelig tilbakegang. Der regjeringspartiene har beskyldt opposisjonen for svartmaling når vi har pekt på utfordringene for norske bedrifter, registrerer vi nå en bred aksept av utfordringsbildet. Også regjeringen ser ut til å erkjenne at vi ikke kan fortsette som før. Da den såkalte vekstpakken ble lagt fram i forbindelse med revidert budsjett for 2013, uttalte finansminister Sigbjørn Johnsen at vi må «bygge skanser før krigen kommer». Dette er det bred enighet om. Det som er uheldig, er at regjeringspartiene ved en rekke anledninger har stemt ned forslag om f.eks. å styrke avskrivningsreglene og SkatteFUNN-ordningen. Regjeringen foretok en innstramming i SkatteFUNN-ordningen på 150 mill. kr i statsbudsjettet for 2007, og regjeringspartiene har siden flere ganger stemt imot forslag om å reversere innstrammingen. Når regjeringen nå varsler at den i budsjettet for 2014 vil styrke SkatteFUNN-ordningen med 100 mill. kr, er det altså fortsatt mindre enn innstrammingen I lys av regjeringens egen bekymring om behovet for å ruste norsk økonomi bedre er det underlig at regjeringen først i budsjettet for 2014 vil konkretisere tiltakene i vekstpakken. I representantforslaget blir det bl.a. pekt på at den særnorske formuesskatten fører til at noen bedrifter må ta ut utbytte, selv i dårlige tider. Det blir også understreket at industrien har behov for gode, stabile og forutsigbare rammebetingelser. Jeg viser til at det i representantforslaget pekes på at skattemyndighetene i de siste fem årene har gjennomført en skjult økning av skatten for produksjonsbedrifter gjennom innstramming av reglene for avskrivning. Det blir i forslaget framhevet at Norge har lange industrielle tradisjoner, og det kan vi være enige om. Skal vi beholde norsk industri, er det viktig at nødvendige tiltak settes i gang raskt. Jeg vil vise til forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti og anser det som … Det er eit viktig tema vi diskuterer her i dag, for Det er eit viktig tema vi diskuterer her i dag, for som det vart sagt frå saksordførarens side, har industrien lange og stolte tradisjonar i Noreg. Det er riktig det som står i dette Dokument 8-framlegget, at store delar av industrien konkurrerer i ein internasjonalt marknad. Og då vert det underleg at ikkje Høgre tør å setja ned foten og stå på den når det gjeld at eit regjeringssamarbeid med Framstegspartiet regjeringssamarbeid med Framstegspartiet skal byggja på handlingsregelen. Ein føreseieleg økonomisk politikk som ikkje set rente og kronekurs under press gjennom vedtak – og gjennom mangel på forståing for handlingsregelen si betyding – er jo alfa og omega for næringslivet generelt og for den eksportretta industrien spesielt. Det er nettopp stabil, trygg og føreseieleg økonomisk politikk bedriftene rundt om i Noreg er spesielt opptekne av for å trygge arbeidsplassane og for at næringslivet skal lukkast, og det kan altså ikkje Høgre vera nokon garantist for. Industrien skal framleis vera ein viktig del av norsk økonomi. Det meiner vi i den raud-grøne regjeringa, og det har komme ei rekke tiltak for den landbaserte industrien, seinast i RNB med ei vekstpakke for næringslivet og ei tiltakspakke for skogsektoren. Eg vil òg dra fram ei rekke andre viktige ordningar der regjeringa har levert til industrien: klimateknologifondet, garantiordninga for kraft til industrien, kvotemarknad i tråd med EØS og EU, ei ordning for CO2-kompensasjon, ordningar innan Enova som kan gje støtte til gjenvinning og energieffektivisering, og konsortieordninga. Arbeidarpartiet er nøgd med at regjeringa har teke grep for å hjelpa den landbaserte industrien og auka førsteårsavskrivinga med 10 pst., til 30 pst. Samtidig har vi tetta skattehol for konsern og endra slik at petroleumsnæringa betalar inn meir til fellesskapet. Fleirtalet av det norske folket synest ikkje noko særleg om at dei rikaste skal sleppa å betala skatt, og at det skal vera store skilnader mellom folk. Eit fritak for formuesskatten ville ha gjeve 15 mrd. kr mindre til fellesskapet og over 32 000 personar ville ha vorte nullskattytarar. I tillegg må ein ta med at 10 av desse 15 milliardane går rett til kommunane – til å oppretthalda den norske modellen med eit godt velferdssamfunn. Norsk industri er i fremste rekke når det gjeld teknologiutvikling. Det nye Klima- og energifondet som vert forvalta av Enova, er viktig her, og det er òg Innovasjon Norge si miljøteknologiordning, som medverkar til utvikling av og investering i bedrifter. Ordninga med grøne sertifikat gjer òg at det vert satsa enda meir på fornybar energi. Også der er Noreg i ei særstilling.

Det er en såkalt todeling i dette bildet, hvor den delen av industri- og servicerelatert virksomhet som er basert på olje- og gassvirksomhet, tjener gode penger, mens det mer landbaserte næringslivet er det som sliter mest. Det er heller ingen tvil om at det særnorske skatte- og avgiftsnivået gjør sitt til at norsk industri sliter ekstra kontra sine utenlandske konkurrenter. Dette er Södra Cell ved Tofte et eksempel på, hvor eierne sier helt klart at det norske kostnadsnivået er for høyt.

Norsk industri har behov for gode, stabile og forutsigbare rammebetingelser. Det gjør at eierne vet hvordan framtiden kan se ut, og at de kan gjøre sine investeringer ut fra dette. Det bidrar også til at neste generasjon får lyst til å overta og videreutvikle firmaet. Denne forutsigbarheten finnes i mindre grad i dag, og mange av ungdommene finner seg andre, mer spennende jobber. Dette gjelder spesielt innenfor den såkalte landbaserte næringen.

det noe Norge trenger, er det bl.a. en industri hvor det er vekst og optimisme, og hvor arbeiderne er trygge på at arbeidsplassen også er der i morgen. Fremskrittspartiet er av den oppfatning at det kan gagne norsk industri å se på andre land som har lyktes med sin industripolitikk. Det å hente inspirasjon fra andre vil alltid gagne dem som tar dette til seg. Avslutningsvis vil Fremskrittspartiet peke på SkatteFUNN-ordningen som noe svært positivt for norsk industri. Vi mener at økte rammer her vil skape vekst og positive signaler. Det er synd at regjeringspartiene ikke har sett og forstått dette. Ja, presidenten var noe usikker på om forslaget ble tatt opp av første taler. Forslaget er herved tatt opp, slik representanten Bredvold viste til. viste til. SV har lenge peika på at det oppblåste investeringsnivået i oljesektoren fører til eit press i norsk økonomi, som gjer at det blir krevjande for andre delar av norsk næringsliv å få tak i kompetent arbeidskraft og risikovillig kapital. No er det riktig nok også sånn at har snakka om todeling i norsk økonomi, men dei er mest opptekne av den eine delen av todelinga. Høgre er oppteke av å stimulere det landbaserte næringslivet, sånn som også regjeringa har lagt opp til i revidert nasjonalbudsjett, men eg høyrer lite om kva Høgre har tenkt å gjere for å dempe presset i oljeøkonomien, i oljesektoren. Viss dei er bekymra for den todelte økonomien, forventar eg at dei også har ei meining om kva som skal skje, kva slag tiltak dei meiner vi skal bruke for å dempe presset i oljeøkonomien – om dei vil støtte forslaga frå regjeringa i revidert nasjonalbudsjett, eller om dei har ein illusjon om at det er tilstrekkeleg å stimulere den landbaserte næringa utan å gjere tiltak for å dempe presset i oljenæringa, som trekkjer med seg offshorenæringa. Det skulle vore litt interessant å høyre om den todelte økonomien er noko ein skal angripe frå begge kantar og ikkje berre frå den eine, som då vil bli mindre vellykka. Så er det typisk for Høgre at dei snakkar veldig mykje om skatt. Det er vel og bra, men det viktigaste punktet for å bevare og styrkje norsk næringsliv er kompetanse. Eg har vore mykje på seminar blant næringslivsfolk i det siste, vore rundt og besøkt mange bedrifter, og utan samanlikning er det eitt punkt som blir peika på som det viktigaste for at vi framleis har ei konkurransekraft i norsk næringsliv, og det er den forma for kompetanse som vi har. har vi satsa på at vi skal ha kompetanse på alle nivå i organisasjonen. Vi har ei arbeidskraft i Noreg som er i stand til å samarbeide vertikalt og horisontalt på tvers av alle faggrenser. Vi har ei arbeidskraft som er van med å ta ansvar, sånn at vi når vi skal utvikle eit komplisert prosjekt, slepp vi at det blir forsinka på grunn av at dei vertikale strukturane tek for lang tid og aukar kostnadsnivået. Grunnen til at vi har eit sånt system, er at vi har ein god fellesskule i Noreg. Noreg. Viss vi skulle få det systemet vi høyrer om, der vi får rasert vidaregåande skule, vil vi også rive grunnlaget vekk under konkurransekrafta til norsk

en stabil, trygg og forutsigbar økonomisk politikk som ikke setter rente og kronekurs under press gjennom politiske vedtak og mangel på forståelse for handlingsregelens betydning. Vi er derfor tilfreds med at regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk der handlingsregelen blir lagt til grunn for den økonomiske politikken. Vi konstaterer med uro at ikke alle partiene slutter opp om dette grunnleggende prinsippet for framtidig økonomisk vekst i norsk næringsliv. Trygg og forutsigbar økonomisk styring er også det som flest bedrifter mener er det aller viktigste kriteriet for at næringslivet skal lykkes, og for å trygge arbeidsplassene. Senterpartiet legger til grunn at industrien fremdeles skal være en viktig del av norsk økonomi, og regjeringen har kommet med en rekke tiltak for den landbaserte industrien, senest i RNB for 2013 med en vekstpakke for næringslivet og en tiltakspakke for skogsektoren. For å stimulere ytterligere til investering i fastlandsnæringen foreslår regjeringen å innføre startavskrivninger for driftsmiddel i saldogruppe d, maskiner mv., med 10 pst. Det innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlets levetid økes fra 20 pst. til 30 pst. Avskrivningssatsene bør avspeile det virkelige verdifallet på driftsmidlene. Norsk industri er i fremste rekke når det gjelder teknologiutvikling. Det er bl.a. etablert et nytt klima- og energifond som blir forvaltet av Enova, og Innovasjon Norges miljøteknologiordning bidrar til utvikling av og investering i miljøteknologi i bedrifter. Også ordningen med grønne sertifikater er på plass, og alt dette gjør at det satses mer på fornybar energi. Senterpartiet har hatt et sterkt engasjement for den kraftkrevende industrien, og vi er svært glad for at regjeringen i høst kunne presentere en kompensasjonsordning for CO2. Ordningen skal kompensere for CO2-påslaget i kraftprisen. Senterpartiet er veldig opptatt av å legge til rette for denne typen industri, og denne kompensasjonsordningen er derfor et gjennomslag for vår måte å tenke på. Denne ordningen, sammen med flere ordninger, er særdeles viktig for disse bedriftene, som er hjørnesteiner i sine lokalsamfunn. Disse bedriftene står for et stort antall arbeidsplasser og verdiskapning i distriktene, så dette er også god distriktspolitikk. En aktiv næringspolitikk er

Vilkår i Norge som blir utformet helt ulikt de vilkårene utenlandske aktører har, kan svekke bedriftenes konkurranseevne, og få som konsekvens at virksomheten blir lagt ned eller fortrengt av nyetablert kapasitet i land med bedre rammevilkår. Det er en rekke områder der norske særordninger og regler svekker konkurransekraften til norsk industri. Den særnorske formuesskatten er et eksempel på det. Formuesskatten fører til at mange bedrifter tar ut mer utbytte til eierne for å finansiere eiernes formuesskatt. Spesielt gjelder det familieeide selskap med spredt eierskap. I tillegg demper det investeringslyst til produksjonsutstyr og favoriserer investeringer i fast eiendom. Det er en ekstra beskatning av norsk kapital sammenlignet med kapital som er eid fra utlandet. De fleste land Norge vanligvis sammenligner seg med, har avskaffet formuesskatten. Blant OECD-landene er det bare Frankrike, Sveits, Spania, Island og Norge som har formuesskatt. Av disse har Norge de svakeste skjermingsordninger for næringsformue, eller såkalt arbeidende kapital. Et fritak for formuesskatt på arbeidende kapital vil ta bort den skattediskrimineringen som norske private eiere har relativt sammenlignet med offentlige eiere og utenlandske eiere i dag. Det vil stimulere til nasjonalt privat eierskap. Det vil dermed ta bort den konkurranseulempen som det norske kapitalmarkedet har for innenlandske investorer. Industri og øvrig næringsliv trenger stabile rammebetingelser for å sikre videreutvikling. Særlig gjelder det ved nyinvesteringer. Enhver usikkerhet bidrar til risiko som senker avkastningen på nyinvesteringer, produksjon og forskning. I Norge er det en altfor stor tendens til at rammebetingelser blir endret fra år til år. Bedriftene blir utsatt for at forskningsfond fjernes over natten, nytolking av skatteregler som SkatteFUNN, nye avgifter og endrede planer for miljø og klima. Dette er uheldig og bidrar til lavere investeringer og mindre lønnsomt næringsliv. I en periode på 1990-tallet var det få endringer av rammebetingelsene for næringslivet i Norge. Det bidro til et kraftig oppsving i investeringer og De siste 15 årene har det vært en rekke endringer i industriens rammebetingelser fra år til år. Mens f.eks. Sverige innførte grønne elsertifikat for fornybar kraftutbygging i 2003, brukte Norge årene fram til 2012 på en rekke forskjellige ordninger, før Norge i 2012 omsider sluttet seg til det svenske elsertifikatmarkedet. Resultatet har vært en betydelig oppgang i svensk investering i vindkraft fra 2005, mens de norske investeringene har vært svært låge, først og fremst på grunn av usikkerhet om rammebetingelsene fra år til år. Jeg mener dette viser bl.a. behovet for bedre og mer stabile og forutsigbare rammebetingelser. Jeg fremmer herved Kristelig Folkepartis forslag slik de går frem av innstillingen. Representanten Steinar Reiten har tatt opp de forslagene han refererte til. Industrien er

Det slår vi senest fast i Meld. St. 39 om næringspolitikken mot 2020. Lønnsomme, effektive og omstillingsdyktige industribedrifter uansett bransje er viktige bidragsytere til å opprettholde velferdssamfunnet gjennom effektiv produksjon av lønnsomme produkter. Industrien bidrar også til betydelige indirekte sysselsettingseffekter og gir grunnlag for annen næringsvirksomhet. Det går godt i norsk økonomi. Vi har Europas laveste arbeidsledighet, og vi har vekst i en situasjon hvor euroområdet har gått tilbake seks kvartal på rad. Det betyr ikke at vi ikke har utfordringer. Det blir stadig tøffere konkurranse globalt, og det er en krevende situasjon i europeisk økonomi. Vi er også sårbare for det som skjer i Europa. Vi er en del av det europeiske kontinentet – 70 pst. av eksporten vår går til EØS-området. Det er ikke et problem at den petroleumsrettede industrien gjør det bra, men regjeringen ønsker å bevare et mangfold av industri. Kostnadsnivået i Norge gjør at vi hele tiden må ligge i front når det gjelder kompetanse, teknologi og produktivitet. Den nye næringsmeldingen er Her understreker regjeringen at den vil føre en aktiv politikk for en mangfoldig industri i Norge. Det er for industrien som for resten av næringslivet summen av rammebetingelser som er avgjørende for å utløse omstilling, vekst og verdiskaping. I utformingen av regjeringens samlede økonomiske politikk er hensynet til konkurranseutsatt industri viktig. I revidert nasjonalbudsjett i mai presenterte regjeringen en vekstpakke med viktige tiltak for å gjøre industri og næringsliv enda mer konkurransedyktig. Målet med tiltakene er å øke næringslivets lønnsomhet og stimulere investeringene i fastlandsbedriftene. Pakken for vekst består av flere elementer, bl.a. nedsettelse av selskapsskatten, økte avskrivingssatser og 100 mill. kr til SkatteFUNN, som gjør det mer lønnsomt å investere og å satse på kompetanse og innovasjon i norske bedrifter.

og langsiktig konkurranseevne, slik at den enestående gode utviklingen i Norge kan fortsette. Det blir replikkordskifte.

og vekst i BNP. Men at enkeltbransjer sliter, ser vi. Treindustrien har vært en av disse. For det første handler det om strukturendringer hvor vi bl.a. bruker mindre avispapir enn før. Men det handler også om en næring som rammes av konjunkturkrisen i Europa, Europa, hvor etterspørselen etter produktene har vært lav en god stund, og overkapasiteten er stor. Derfor har vi sett både i Sverige og i Norge nedleggelse av tradisjonsrike og gode industrivirksomheter. Mitt spørsmål går på SkatteFUNN-ordningen. Jeg tror det er erkjennelse av at SkatteFUNN-ordningen har vært en suksess. Den har vært enkel, fleksibel og relativt ubyråkratisk. Så gjorde regjeringen en beslutning i forbindelse med statsbudsjettet for 2007 og reduserte årlig med 150 mill. kr. Jeg registrerer nå at man ser at man må øke, og man øker med 100 mill. kr. Mitt spørsmål til statsråden er: Ser statsråden at det er virksomheter som kunne hatt nytte av å gjennomføre prosjekter delfinansiert av SkatteFUNN-ordningen, og som dermed i dag ville stått betre rustet til å møte noe mer utfordrende tider? Det er helt sikkert bedrifter som ville hatt nytte av økte bevilgninger på mange områder på et statsbudsjett. Men samtidig ville veldig mange særlig tatt skade av et statsbudsjett som ikke ivaretok hensynet til de overordnede konkurranseparametrene, som etterspørselen i norsk økonomi, renten og valutakursen, slik at norsk næringsliv kan konkurrere med andre land. Så ja, for hvert enkelt mikroområde kan man gjerne ønske seg mer penger. Store samferdselsinvesteringer og store forskningsbevilgninger hjelper næringslivet. Men summen må være slik at det grunnleggende konkurranseforholdet er på plass. Dette er hele tiden en balansegang, men jeg er enig i at SkatteFUNN er en god, effektiv og ubyråkratisk ordning. Det er også derfor det i vekstpakken er varslet at vi ønsker å styrke den ordningen. I gårsdagens utgave av Dagens Næringsliv er

Han kommenterer også det som ser ut til å være en nærmest total investeringstørke i norsk konkurranseutsatt industri, og sier: «Nå investeres det veldig lite. Industriinvesteringer er på et nivå som trolig tilsier nedbygging av industrien». Og videre: «Vi har inntrykk av at det er et forvitringsscenario på gang i den forstand at produksjonskapasiteten er på vei ned». Hvordan får statsråden dette til å gå i hop med sine gjentatte påstander om at det går så det suser i norsk konkurranseutsatt industri?

ledighet og manglende vekst. Man skal ikke lenger enn til Sverige for å finne en arbeidsløshet som er på over 8 pst., og der situasjonen er slik at hver fjerde ungdom går uten arbeid. I den situasjonen må det være mulig å si at Norge – med en arbeidsløshet på ned mot 3 pst., med kontinuerlig sterk vekst, med god økonomisk utvikling – har klart seg seg enestående bra. Samtidig må vi advare mot at vi ikke er usårbare. Vi kommer til å merke virkningene av den europeiske krisen og må forberede oss på det, bl.a. gjennom den vekstpakken som blir presentert i revidert nasjonalbudsjett – en ansvarlig økonomisk politikk med en næringspolitikk som legger opp til innovasjon. Replikkordskiftet er

som fremmer konkurransekraft, gir gode rammebetingelser og samtidig har et langsiktig perspektiv. Jeg tror nok at Høyre er kjent for å være ansvarlig i finanspolitikken. Jeg tror også at Høyre er kjent for å være et næringsvennlig parti. Så er det et poeng, som også har vært nevnt i debatten, som gjelder todelingen i næringslivet, at noen deler av næringslivet går fantastisk godt, parti. Så er det et poeng, som også har vært nevnt i debatten, som gjelder todelingen i næringslivet, at noen deler av næringslivet går fantastisk godt, mens andre sliter betydelig. Vi ser en negativ produktivitetsutvikling, dvs. at den er lavere enn hos våre handelspartnere. Det at makrobildet er udelt positivt, kan lett gjøre at vi ikke ser de ganske alvorlige utfordringene for tradisjonell industri. Det er det jeg opplever er kjernen i dette representantforslaget: Hvordan kan vi være med og skape bærekraft for den tradisjonelle industrien i Norge? Vi tror det vil være klokt å få en total gjennomgang, en helhetlig gjennomgang, av hele virkemiddelapparatet overfor tradisjonell norsk Så er det viktig at vi er langsiktige i holdningene våre. Nettopp derfor tror vi det er uheldig at man bare tar enkeltvirkemidler uten å tenke helhetlig. Det er bakgrunnen for våre forslag: La oss få en total gjennomgang, og la oss sikre at norsk næringsliv ikke har en konkurranseulempe, som vi ser formuesskatt på arbeidende kapital, som Kristelig Folkeparti tar opp i dette representantforslaget. Vi skulle ønske oss en slik helhetlig gjennomgang. Vi ser at det opplever ikke regjeringspartiene som nødvendig. Det tar vi til etterretning, men det kan vel komme nye tider etter september. Da får vi se hvordan vi kan tilrettelegge for en mer bærekraftig utvikling for hele det norske næringslivet. Jeg har bare noen korte kommentarer til debatten. Representanten Heggø som stilte seg tvilende til Høyres evne til å styre ansvarlig økonomisk. Høyre er

Dagsavisen, Arne Strand, sa at aldri har en regjering gått til et så godt dekket bord. Når Arne Strand tyr til å skryte av Høyre, da er det verd å lytte til ham. Til representanten Holmelid: Jeg skal ikke ta finansdebatten nå, den skal vi ta senere. Men jeg må kommentere angrepene hans som gjaldt kompetanse. Representanten Alf Egil Holmelid har sitt politiske virke i den byen i Norge som leverer de beste skoleresultatene. Den byen er

er et gammelt, tradisjonelt industristed, der læringskulturen ikke var god. Det gjorde vi ved å se barna i et perspektiv på 13 år. Vi så elevene. Vi erkjente at lærerne var den viktigste ressursen, vi brukte ressursene på lærerne. Lærerne fikk også en helt annen arbeidsplass, ved at man kunne følge elevene hele veien. Man brukte ressurser på rådgivning. Vi gjorde mange gode ting, og vi lyktes. Så jeg kan ta med representanten Holmelid land og strand rundt og vise til gode kompetanseprosjekt og skoleresultater. Det Så jeg kan ta med representanten Holmelid land og strand rundt og vise til gode kompetanseprosjekt og skoleresultater. Det er slik at partiet Høyre leverer kompetanse. Partiet SV lar Kunnskapsdepartementet støve ned.

ikke ett ord om trygg økonomisk styring, ikke ett ord om renter og kronekurs i et slikt forslag. Det er høyst merkverdig at man kan gå igjennom et så viktig tema uten å nevne noe av det i sine kommentarer og betraktninger om konkurransekraften i norsk industri. Det er ingen tvil om at det er en krevende situasjon. Men det er ikke det først og fremst på grunn av det særnorske skatte- og ikke det først og fremst på grunn av det særnorske skatte- og avgiftsnivået. Det er først og fremst fordi markedene er i en særdeles lav konjunktur at det er ganske krevende. Når vi kikker på opposisjonen med tanke på trygg økonomisk styring som begrep og setter spørsmålstegn ved det, først og fremst på vegne av norsk industri for å få

Så til kunnskapsdelen. Høyre har som mantra at de egentlig vil privatisere fellesskolen, for å ta det som eksempel: Det er litt merkelig. Vi hadde et møte med direktøren i Alcoa. Han sa at de i løpet av halvannet år skal klare å plassere Alcoa i Norge, slik at de kan ta opp all konkurransekraft som Alcoa trenger i årene framover, fordi vi er verdens best organiserte. Hvordan kan vi være verdens best organiserte? Min påstand er at det i stor grad skyldes utdanningsløpet i det Det er ganske vesentlig for norsk næringsliv at man klarer å ha en ganske flat struktur ute i bedriftene, noe som er med på å underbygge konkurransekraft. Den slags elementer er overhodet ikke inne i tankebanene til Høyre og Fremskrittspartiet, når de snakker om tiltak for norsk industri. Da er det formuesskatt og andre enkle løsninger … Taletiden er Taletiden er ute. Eg skal ikkje trekke diskusjonen ut i langdrag, men eg synest det er interessant å få debatten over på det som næringslivsleiarar og folk i næringslivet sjølv – systematisk – seier utan samanlikning er den viktigaste delen av næringspolitikken, nemleg å ta vare på den spesielle kompetansen som vi bygger opp i norsk skole. Så er Bakke-Jensen litt fornærma for at vi angrip deira skolepolitikk – og skole. Så er Bakke-Jensen litt fornærma for at vi angrip deira skolepolitikk – og det må han få lov til å vere – men problemet er at han tok ikkje hovudpoenget. Problemet er at det er ein del av Høgre og Framstegspartiet sin skolepolitikk som dei ikkje vil snakke om i valkampen, nemleg ønsket om å privatisere. Spesielt innanfor vidaregåande skole har vi sett det. Om ein ser på yrkesfagleg utdanning i vidaregåande skole i Sverige,

etterlyser. Det er et ganske vanlig triks – når Høyres skolepolitikk skal angripes – at man påstår at Høyre skal privatisere skoleverket. Hvis man ser på undervisningssektoren i Oslo: Er den privatisert? Hvis man ser på undervisningssektoren i andre kommuner: Er det en privatisert undervisningssektor? Privatskoler kan være en del av et verdifullt mangfold, men Høyre har ikke sagt at man skal privatisere skoleverket. Det viktigste i Høyres skolepolitikk er kvalitet i undervisningen i skolen og kunnskap om det som skjer, og at unger skal lære det de skal lære. Og det skal være kvalitet gjennom hele linjen oppover.

kunnskap er ein del av tiltaka, har eg ikkje forstått norsk næringsliv. Så vil eg berre seie at ein ting er kva Høgre seier, men eg synest Bakke-Jensen skal lese seg opp på kor mange søknader om privatisering av vidaregåande skolar som låg inne da vi overtok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

Det svenske selskapet Södra Cell er nå i ferd med å avvikle sitt eierskap i sin fabrikk i Hurum kommune på grunn av manglende lønnsomhet. En avvikling vil få direkte konsekvenser for 300 ansatte, men ifølge Norsk Skogeierforbund kan nærmere 6 000 arbeidsplasser bli berørt. Södra Cell-saken er ikke et unikt eksempel, men viser godt utfordringene for norsk treforedlingsindustri. Administrerende direktør i Norske Skog uttaler: «Særnorske regler tapper oss for 200 millioner i året.» Det Det er en gjensidig avhengighet i norsk skognæring, og en svekket treforedlingsindustri kan true hele næringen. Det gir god grunn bekymring at timelønnen i norsk industri i dag er om lag 70 pst. høyere enn hos våre handelspartnere, og at vi har en lavere innovasjonsgrad. Den årlige produktivitetsveksten har under rød-grønt styre hatt en dramatisk nedgang. Vår konkurransekraft Forslaget peker på at den særnorske formuesskatten fører til at bedrifter tar ut utbytte til eierne for å finansiere eiernes formuesskatt, noe som demper investeringsevnen og soliditeten. Det er gjennomført en skjult økning av skatter gjennom reduksjon av satsene for avskrivning, og regjeringspartiene har stemt ned forslag for å bedre avskrivningsreglene. Også regjeringen ser nå at det må tas grep for å redde norsk skogindustri. 29. april 2013 ble den såkalte skogpakken presentert. Det er god grunn til å stille seg spørsmålet om hvorfor dette først kom på tampen av regjeringens andre stortingsperiode. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen uttalte til NRK 5. april: «Vi har sviktet skognæringa.» Arven etter Stoltenberg-regjeringen er en skogindustri på vei under kritisk størrelse. Under den rød-grønne regjeringen er antallet arbeidsplasser i skogindustrien I samme periode har sysselsettingen – innenfor samme bransje – vært stabil i Sverige. Det er rom for en norsk skogindustri, men det forutsetter gode politiske grep. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti foreslår at det legges frem en egen skogmelding, og at det innføres en konkret, langsiktig målsetting om at modulvogntog på inntil 25 meter og totalvekt inntil 60 tonn skal kunne brukes på stamveinettet hvor det er dimensjonert for slik transport. Fremskrittspartiet og Høyre foreslår å oppheve boplikten for skogeiendommer, åpne for aksjeselskapsmodellen som driftsform i skogbruket, og vi ber regjeringen sørge for at begrepet «inngrepsfrie naturområder» ikke lenger skal tillegges vekt ved behandling av arealsaker i statlige forvaltningsorganer. Jeg tar opp forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Representanten Torgeir Dahl har tatt opp de forslagene han refererte til. Det er

alvor. Det er ikke sånn at man våknet opp i vår og erkjente at det er utfordringer i norsk skognæring. Nei, regjeringen leverte en tiltakspakke allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2012. Fram til nå har man tatt opp ganske kraftfulle tiltak i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Så håper jeg at de tiltakene som er kommet der, vil bidra til at man kan få opp optimismen, få fram nye prosjekter, finne nye måter å bruke trestokken på, som gjør at man kan få en bedre verdikjede og større muligheter for fortjeneste. Når det gjelder det konkrete forslaget som er til behandling, er vel det forholdsvis Det peker ikke i noen annen retning enn det som allerede ligger inne i revidert nasjonalbudsjett, og de tiltakene som regjeringen faktisk jobber med, med unntak av at man vil ha en egen, ny skogmelding til Stortinget. Vi mener at tiden mer er inne for å handle, slik regjeringen gjør gjennom revidert nasjonalbudsjett. Så tror jeg det er viktig at vi kontinuerlig jobber med ytterligere tiltak – eller forsterkning av tiltak – nettopp for å skape optimisme i tilknytning til skogsektoren. Jeg tror på det sporet som ligger i revidert nasjonalbudsjett – satse mer på forskning og utvikling, satse på å stimulere til klynger og samarbeid, og ikke minst de viktigste strakstiltakene: å øke tillatt totalvekt og lengde på tømmertransporten for å få ned kostnadene for trevirke inn mot verdikjedene. Her er det et forslag som etter min oppfatning langt på vei er overflødig, ut fra den situasjonen som er. Vi må rette blikket mot de forslagene som allerede ligger inne i revidert nasjonalbudsjett, og som går på områdene kunnskap, utvikling og å stimulere til nye produkter. Det er

En rekke treforedlingsfabrikker er blitt nedlagt, mens selve skognæringen sliter med dårlig inntjening. I løpet av kort tid har Norske Skog blitt lagt ned i Follum, Peterson Paper i Moss har slått seg konkurs, Hunsfos Fabrikker i Vennesla har gått konkurs, Forestia fabrikk i Kvam ble nedlagt i desember 2012, Land Sag i Oppland la ned driften og Glåmdal Tre AS gikk konkurs i mars i år, og flere med dem. Den største utfordringen på nåværende tidspunkt er framtiden til cellulosefabrikken Södra Cell Tofte, som er nedleggingstruet – en fabrikk som forbruker ca. en fjerdedel av den totale avvirkningen av skog i Norge, og sysselsetter ca. 300 personer, og ca. 6 000 arbeidsplasser er påvirket av dette igjen. I tillegg til denne oppramsingen er det mange små bedrifter og enkeltstående skogeiere som har gitt opp, eller i hvert fall gitt opp for en periode. Derfor er det på tide at vi får en debatt om denne næringen. Fremskrittspartiet har gjennom denne saken fremmet en rekke forslag som vi mener vil gagne næringen, og gjøre den lønnsom og konkurransekraftig i forhold til våre utenlandske konkurrenter. Fremskrittspartiet har også gjennom budsjettforslag og andre saker på Stortinget fremmet forslag som vil hjelpe både denne næringen og det norske næringslivet generelt. Disse forslagene har dessverre fått liten, eller kanskje heller ingen, støtte fra regjeringspartiene. Fremskrittspartiet foreslår som ett av flere tiltak at det fremmes en egen skogmelding dette for å belyse, diskutere og komme med forslag til tiltak som kan bidra til en vekst for næringen – men dette må komme raskt. Fremskrittspartiet foreslår at det gjøres noe med modulvogntoglengde og totalvekt, herunder også boggitrykk. Fremskrittspartiet registrerer at det nok en gang blir nedstemt og heller sendt ut på en ny høring. Større vogntog er en stor økonomisk besparelse for næringen, ja ofte nok til at næringen vil gå med overskudd. færre vogntog også har en positiv miljøeffekt, er noe vi får med gratis. Fremskrittspartiet er også positiv til flere måter å eie og drive en skogeiendom på, og foreslår AS-modellen som ett av flere alternativer. I Norge er det nærmere 27 000 skogeiendommer, men kun ca. 300 av disse er på en størrelse som gir et årsverk.

til. Skognæringa er inne i ein krevjande periode, og det er veldig viktig at vi no får diskusjonar rundt det. Eg skal ikkje gjenta alt saksordføraren orienterte om når det gjeld det som ligg i revidert nasjonalbudsjett i forslaget frå regjeringa. Der ligg både kortsiktige og langsiktige tiltak. Eg skal her snakke litt om dei langsiktige tiltaka. Det er vel sånn at treforedlingsindustrien, eller masseindustrien, kanskje har vore noko seint ute i den industrielle omstillinga som mykje annan prosessindustri i Noreg har vore gjennom for 10–20 år tilbake. Vi har kanskje i for lang tid satsa på volumproduksjon for å ta unna virke, og ikkje hatt tilstrekkeleg produkt som skapar høgare pris i marknaden. Eg synest dei grepa som no er gjorde, med å satse meir gjennom Forskingsrådet, er veldig viktige. Men det er berre ein del av det, for viss ein verkeleg skal få til den omstillinga og den produktutviklinga som er nødvendig, må ein skape veldig tette relasjonar mellom næringa sjølv og

eitt av poenga som det kan vere grunn til å nemne, er at blant dei produkta som dei i dag har på beddingen, og også som dei har fått fullført, er det eitt som for ikkje så lenge sidan var eit avfallsprodukt, som gjekk rett i elva, som heiter lignin. Det med å sjå på alle ressursane som ein heilskap, og det at nokre ressursar ofte blir kalla avfall fordi ein ikkje har drive nok forsking på kva dei faktisk kan brukast til, kan vere ein interessant observasjon her, som viser at vi er inne i ei næring som er ei grøn næring, og som har store moglegheiter for produktutvikling. Eg har også lyst til å seie at innanfor denne næringa er det mange som seier at det er relativt overkommeleg å få midlar til forsking og utvikling, men problemet oppstår når ein skal investere i ei produksjonsline, for då snakkar ein ikkje om millionar lenger, då snakkar ein om titals, kanskje oppimot hundretals millionar kroner. Difor er det så viktig at ein no har fått på plass også kapital – det som er gjort ved å utvide investeringskapitalen i Investinor. Et lønnsomt og aktivt skogbruk er en avgjørende forutsetning for å beholde og videreutvikle en så omfattende og stor trebasert industri i

og vi er særdeles opptatt av framtiden for denne industrien. Eiendomslovene i skogbruket og landbruket skal legge til rette for næringsutvikling, for aktivitet og framtid i Bygde-Norge. Boplikten er et sentralt virkemiddel i distrikts- og landbrukspolitikken og bidrar til å holde bosettingen i distriktene oppe. En avvikling av boplikten vil føre til at kapitalsterke investorer kjøper opp gårdsbruk og andre eiendommer i distriktene, og bygdesamfunn vil bli lagt øde store deler av året. Spørsmålet om boplikt og konsesjonsplikt er et eksempel på skillelinjene som er så tydelige i norsk landbruks- og distriktspolitikk. Høyresiden – i likhet med representanter for finanseliten – er mer opptatt av å gi rike mulighet til å eie flere fritidseiendommer i Distrikts-Norge, enn å sikre bosetting og Når det gjelder forslaget om å åpne for aksjeselskap som driftsform i skogbruket, ønsker vi i Senterpartiet at landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av personer som selv står for driften, og som bor på eiendommen. Men i de tilfeller der fleksible løsninger på eiersiden gir fordeler som tradisjonelle eierformer ikke har, legger loven allerede i dag til rette for dette.

Strategien skal danne grunnlag for en sterk forsknings- og utviklingsinnsats og demonstrasjonsaktivitet – dette for å realisere et betydelig verdiskapingspotensial i trevirket som ressurs i overgangen fra oljebaserte til biobaserte produkter. Skognæringen er en av de få komplette verdikjedene i Norge. Den omfatter skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk, trelast, trevareindustri og treforedlingsindustri. Næringen betyr mye for verdiskapingen og sysselsettingen i distriktene. Tømmer kan som kjent brukes til en rekke moderne produkter, og derfor er forskning og utvikling stikkordene for regjeringens nysatsing på norsk skogindustri. Kostnadseffektive transporter er avgjørende for skognæringen. Forslaget til regelendringer for å øke totalvekten på tømmertransporter til 60 tonn er nå sendt på høring. Regjeringen har tidligere åpnet for økt lengde, fra 22 meter til 24 meter, på tømmervogntog. Disse tiltakene vil bidra til reduserte kostnader for næringen og har blitt meget godt mottatt ute.
Neste taler er

er så dramatisk negativ at store deler av den industrielle etterspørselen etter skogsvirke kan bli borte i deler av landet. Det er en rekke tiltak som vil kunne bedre situasjonen betraktelig for skognæringen, både når det gjelder infrastruktur, skatter og avgifter, og bruken av midler innenfor handlingsregelen. Det er bra at regjeringen nå ser på tyngde- og lengdebegrensningen for vogntog. En endring til 25 meter og 60 tonn vil gjøre stor forskjell for tømmer-, trelast- og flistransport, og gi en årlig innsparing på ca. 50 000 lass. Men dessverre vil ikke endringer på lengde- og tyngdebegrensinger, utbygging av skogsbilveier, eller utbedring av riksveier ha mye for seg uten at man også forbedrer fylkesveiene. I store deler av landet er det et dårlig utbygd og vedlikeholdt fylkesveinett. Det erkjenner til og med regjeringen selv på side 115 i Nasjonal transportplan, der det står: «Det har over tid oppstått et betydelig forfall på fylkesvegnettet.» Statens vegvesen har dokumentert at det koste opp i mot 75 mrd. kr å fjerne forfallet på fylkesveiene.

og opprette tilstrekkelig bæreevne på veiene. Dette er avgjørende for tømmertransporten i de delene av landet som jeg kommer fra. Også skatter og avgifter svekker konkurranseevnen til norsk skognæring. Kristelig Folkeparti ønsker å fjerne formueskatten på arbeidende kapital og igangsette en gjennomgang av avskrivingssatsene. Vi vil også se om det er behov for en ytterligere reduksjon i selskapsskatten utover den regjeringen la fram i revidert nasjonalbudsjett, og avvikle I tillegg vil vi beholde gjennomsnittsligning for skogbruket for å styrke langsiktig produksjon. Til slutt vil jeg nevne handlingsregelen. Det er urovekkende at regjeringen ser vekk fra premisser for innføring av handlingsregelen. Det var en forutsetning at midlene fra oljeformuen vår skulle brukes til forskning, utdanning, infrastruktur eller næringsrettede skattelettelser. Så har ikke skjedd. Midler til næringsrettet forskning går ned, infrastrukturen har betydelig etterslep, og det norske skattenivået er ikke konkurransedyktig. Kristelig Folkeparti vil støtte forslagene fra Fremskrittspartiet, både når det gjelder endringer i lengde- og tyngdebegrensninger på vogntog, og forslaget om en egen

Venstre vil være en pådriver for at det etableres NCE innen trebasert materialteknologi. En naturlig lokalisering vil være Hønefoss, mellom de allerede eksisterende for henholdsvis Systems Engineering på Kongsberg, og lettmetall på Raufoss. Slik kan vi skape en av verdens mest komplette miljøteknologiklynger innenfor materialutnyttelse i denne teknologitette innlandsregionen. Det kan bli miljøteknologi ikke bare på sitt beste, I tillegg til fremstilling av nye produkter, bør mer skogsvirke utnyttes til direkte energiproduksjon som biovarme eller via biogass. En årlig tilvekst på 25 millioner m3 og et nåværende årlig uttak på 10 millioner m3, vitner om et betydelig potensial for økt energiproduksjon. Venstre gir full støtte til nasjonal strategi for produksjon av biogass, og vil ha en storstilt satsing både på store industrielle anlegg og mindre gårdsbaserte anlegg. Innen 2020 vil Venstre at 30 pst. av husdyrgjødsel og skogsvirke kan gå til biogass. Venstre vil forby fossil oppvarming i offentlige bygninger fra 2018, og i alle bygg fra 2020. Mulighetene er der. Disse må vi stimulere gjennom skatteomlegginger, investeringsstøtte og forskning. Venstre vil opprette et statlig investeringsselskap – Klimatek – som skal investere i klimateknologi, klimagründere, og miljøriktig omstilling av næringsliv. For å styrke det aktive skogbruket og den industrielle kapasiteten, er det viktig å fornye strukturen på skognæringen. Om lag 70 pst. av norske skogeiendommer har i dag under 500 dekar produktivt skogareal. Venstre vil fjerne både odelsretten og delingsforbudet i jordloven for å skape mer bærekraftige enheter og mer aktive eiere. Vi kan ikke ha et landbruk der nesten halvparten av jorda er leiejord og halvparten av skogen ikke drives. Transportkapasiteten er viktig for å få tømmeret fram til foredling. Venstres svar på dette er en storstilt satsing på tog i de fylkene hvor skogbruket har størst avvirkning og mest industri. Dobbeltspor, krysningsspor og omlastingsterminaler er viktige tiltak for økt kapasitet.

På tirsdag kom den gledelige nyheten om at Mayr Melnhof Karton kjøper samtlige aksjer i Södra Cells tremassefabrikk i Follafoss. Salget betyr at driften ved fabrikken gjenopprettes, og innenfor flere produktområder har næringen kompetanse og utviklingsmiljø helt i verdensklasse. Borregaard er verdens ledende innenfor sine nisjer. Moelven er et solid selskap innenfor byggmoduler og limtre. Regjeringen følger situasjonen nært, og har løpende dialog med hele om utfordringene. Allerede i revidert nasjonalbudsjett 2012 la vi fram en tiltakspakke til treforedlingsindustrien på 100 mill. kr, hvor målet var å øke forsknings- og utviklingsaktiviteten i treforedlingsindustrien og bedre industriens råstofftilgang. Det er blitt fremmet representantforslag med ulike tiltak. I etterkant har regjeringen presentert revidert nasjonalbudsjett med en ny tiltakspakke for skog- og trenæringen. Her fremmer vi tiltak som skal bedre lønnsomheten, bedre infrastrukturen, bedre innovasjonskraften i tillegg til at vi samtidig varsler en egen vekstpakke med tiltak på avskrivningsregler, med tiltak vedrørende SkatteFUNN og tiltak på skatteordninger generelt for hele næringslivet.

med mye, mye mer på infrastrukturtiltak, og da skriver man i innstillingen at dette var litt veikt fra regjeringens side. Man skriver at man gjerne vil ha 60 tonn på totalvekten, så sender regjeringen et slikt forslag på høring, og så er man fra opposisjonen misfornøyd. Det blir replikkordskifte.

over seg tidligere. Man kan jo spørre hvorfor denne skogpakken kommer først nå, og ikke har kommet tidligere. En annen ting som jeg legger merke til, er – som statsråden sa litt om fra talerstolen – dette med modulvogntog, lengder og 60 tonn totalvekt. Det gjelder forslag som er blitt fremmet tidligere. Det har vært ute på høring. Så vidt jeg vet, har det vært på høring i tre år, og nå skal regjeringen sende på ny høring det som angår 60 tonn. Hvorfor kan man ikke med en gang si ja til 60 tonn? Det vil spare næringen for mange millioner. Det vil også være godt for miljøet å få vekk en del av den vogntogmengden som er på veiene våre. Representanten får bare krysse fingrene for at denne regjeringen fortsetter, slik at vi får gjennomført tidenes investeringsprogram i norsk samferdsel – ikke skape en enorm usikkerhet om OPS-prosjekter, som drar pengene fra veisatsing over i private lommer, eller stoppe de 100 mrd. kr fra bompengeinntekter som vi trenger for å sikre gjennomføringen av en slik samferdselspakke. Det er helt at de to største opposisjonspartiene, som har planer om å gå i regjering sammen, ikke kan si klart fra om hvordan de skal finansiere et sprik på 130 mrd. kr – tror jeg det er – hvis man bare avvikler de bomprosjektene som er i dag, i tillegg til de 100 neste. Velgerne er i total uvitenhet om hva slags politikk Høyre og Fremskrittspartiet sammen vil føre på samferdselsområdet. Det har betydning for tre- og – når de selv presenterte et representantforslag med 50 mill. kr i satsing – får en pakke på 750 mill. kr og er misfornøyd, er parodien fullkommen. Jeg ville satt veldig stor pris på at statsråden hadde svart på spørsmålene mine. Jeg spør: Hvorfor kom skogpakken først nå og ikke tidligere? Det er ingen nyhet at næringen har slitt. Og jeg spør på nytt: Hvorfor skal forslaget om 60 tonn ut på ny høring, når det tidligere har vært på høring i i hvert fall tre år? Hvorfor kan man ikke med en gang si ja til vogntog med totalvekt 60 tonn og 25 meters lengde der veinettet tillater det? Skogpakken kom ikke nå, den kom bl.a. i revidert nasjonalbudsjett i 2012. Den har kommet i en omfattende samferdselssatsing mens vi har sittet i regjering. Den har kommet i form av en ansvarlig politikk på økonomiområdet, som har bidratt til at norsk industri og konkurranseutsatte næringer har klart seg bedre enn de aller fleste i Europa. Den har kommet gjennom en god fordelingspolitikk som sikrer ansvarlige lønnsoppgjør og ikke er i strid med partene i arbeidslivet. Den har kommet i form av innovasjon og utvikling. Blant annet har et selskap som Borregaard nytt godt av mange titalls millioner kroner i støtte fra offentlige næringsvirkemidler. Det må være mulig å påpeke at et sprik på 130 mrd. kr mellom Høyre og Fremskrittspartiet i samferdselspolitikken ikke er et godt svar til en tre- og skognæring som mer enn noe er avhengig av forutsigbarhet og faktiske investeringer – ikke bare papirpolitikk.

minimum nøytralitet? I dag har de klare konkurranseulemper, i hvert fall slik Høyre ser det. Det som bransjen sier til oss er den vesentligste forskjellen mellom f.eks. Norge og Sverige, er dette med vogntoglengde og samferdselstiltak. Nettopp derfor har dette sterk oppmerksomhet i den pakken vi presenterte i revidert budsjett, hvor vi satser – mye mer

Vi skal nå øke satsingen på infrastruktur og samferdsel med 50 pst. i den neste tiårsperioden. Da trenger man forutsigbarhet. Man trenger enighet om finansieringen – ikke en enorm krangel om ethvert bompengeprosjekt, et OPS-prosjekt eller annet som gjør at hele planen blir satt i spill. Replikkordskiftet er omme. For oss som kommer både fra skogen og lever av skogen – i innlandet – kan det være to tilnærminger til omme. For oss som kommer både fra skogen og lever av skogen – i innlandet – kan det være to tilnærminger til det representantforslaget som behandles her i dag, og til rammevilkårene for skogbruket som sådant. Den første er om man skal velge å svartmale – si at alt er håpløst, og at toget på gått. Den andre er å si at alle nye politiske tiltak som kommer fra regjeringa, nærmest er uten nytte. Jeg har motsatt innfallsvinkel i denne debatten. Først: Det er et enormt potensial i skognæringen, med henblikk både på tradisjonell virksomhet og på det å kunne utnytte tømmermaterialet på nye måter, noe som har økonomisk betydning for oss. Det snakkes om milliardbeløp med tanke på hva dette betyr for Norge det sysselsetter 25 000 mennesker. Men det har også betydning inn mot den debatten som vi har hatt ved mange anledninger i Stortinget i det siste, nemlig om det å kjempe mot en todeling av norsk økonomi og bidra til en økonomi som er klimavennlig, og som tar vare på muligheter for det fornybare. Slik sett er dette et positivt utgangspunkt, sjøl om mange av utfordringene rundt næringa er tunge, og sjøl om mange sliter. I så måte må jeg si at det er gledelig å se at regjeringa er så tydelig i sine tiltak. Jeg må også understreke: Dette er ikke et arbeid man startet på i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Man hadde jo – som både statsråden og flere andre har vært inne på tidligere – en tiltakspakke allerede i fjor og følger bra opp dette året, i volum, etter mitt skjønn, veldig kraftig og svært treffsikkert. kraftig og svært treffsikkert. Det er svært viktige tiltak som kommer, men det er gledelig at regjeringa velger å satse så tydelig på dette, og som jeg ser at skognæringa og aktørene ute har tatt imot med åpne armer og har gitt positivt skussmål. Da skulle det bare mangle at man i en politisk debatt som dette ikke var såpass at man – når man ser at forslagene fra regjeringa overgår det som ligger i representantforslaget – i det minste kunne si at dette har noen positive elementer i seg. seg. Det er, etter mine begreper, svært viktig at vi nå klarer å få gjort noe med transportkapasiteten til skognæringa. Den kraftige satsinga som nå kommer på vei, den kraftige satsinga på skogsbilveier og på det å få tømmeret ut, gjør at dette kan bli et virkelig tilslag for skognæringa. I så måte undres jeg litt over partiet Venstre, som i dag fremmer mange forslag om utvikling av bioøkonomi og bioenergi, men som samtidig, for bare et par dager siden her i Stortinget, valgte å fremme forslag om at all subsidiering av skogsbilveier skulle avskaffes. Det er en manglende konsekvens i skogpolitikken som vil bety at man ikke får nyttiggjort seg det store potensialet som ligger

at den gjerne kunne vært større, og at den på andre måter også kunne tatt med mange andre ting som vi i opposisjonen nevner, bl.a. dette med skatter, avgifter og avskrivninger etc. Det er ingen tvil om at det hogges mye mindre enn det som er tilveksten i Norge. Det hogges faktisk mye mindre enn halvparten. Det resulterer bl.a. i at Norge vokser igjen. Det igjen gjør at bl.a. turisme og reiseliv blir rammet av dette.

bra. Jeg er glad for all debatt om dette temaet, og takker Fremskrittspartiet for en ny mulighet. Det er korrekt at kostnadsnivået i Norge generelt med tanke på timelønninger er høyere enn våre handelspartneres – betydelig høyere – men når det gjelder treforedlingsindustrien, er ikke det sant. En sagmester på et av de største sagbrukene våre tjener 157 kr timen, en annen sagmester tjener 195 kr timen. I forhold til andre er det dårlig betaling. Det er dårlig betaling, og det gjør at interessen for å bli sagmester og fagarbeider innenfor sagbruksindustrien og treforedlingsindustrien er mindre. Det er det som er problemet. Når det gjelder Høyre og Fremskrittspartiets påpekning av at det er lav innovasjonsgrad, er det derimot korrekt. Det er gjort store strategiske feil, anført av Norske Skog, som satset på avispapir over hele verden. Det har medvirket, og det er en generelt lav lønnsomhet, som gir lav innovasjonsevne. Det er derfor nødvendig å øke lønnsomheten i hele verdikjeden: bruken av skogen, hogst av skogen, transporten av tømmeret, foredling av tømmeret. Krise gir muligheter, nye, kraftfulle økonomiske virkemidler diskuteres det er debatten i revidert. Det jeg imidlertid vil fokusere på nå, er eiendomsrett. Høyre og Fremskrittspartiet har et forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å åpne for aksjeselskapsmodellen som driftsform i skogbruket.» Senterpartiet er klokkeklare på at vi skal ha et privat, personlig eierskap med eiendomsrett og eiendomsplikter. Det har vist

Det er full åpning i dag for å ha maskiner i aksjeselskapsformen – ikke noe problem. Men hva er det de mener? I Høyres programforslag er det også uklarhet på dette punktet. Er det sånn at Høyre ønsker å ha aksjeselskap som må eie skog, eller er det ikke? Det er mitt spørsmål. Det er utrolig sentralt å få avklart det i denne diskusjonen, for det er antagelig den siste som går på dette viktige punktet. Hva er det en mener med forslaget? Er det eiendomsretten til skogarealene eller er det eiendomsretten til hogstmaskinen en snakker om? Det sentrale er eiendomsretten til skogen. Der går Senterpartiet for et personlig, privat eierskap med plikter. Til foregående taler: Man burde kanskje snu litt på hvem som skal svare. Det helt sentrale er

hvordan vi skal få større fart på utnyttelsen av ressursen. Det er det vi snakker om. Det var derfor jeg fikk lyst til å ta ordet da næringsministeren holdt innlegg, for han snakket om forutsigbarhet og næringsnøytralitet. Det eneste forutsigbare for skognæringen så langt har vært at rød-grønn kostnadspolitikk fører til et særnorsk kostnadsnivå, som gjør at man ikke er konkurransedyktig i det internasjonale markedet. Det er vel den eneste virkelige forutsigbarhet denne regjeringen har stått for. Vi står med en fantastisk ressurs. Den gjør jobben i klimasammenheng hvis vi forvalter den aktivt. Det er ganske viktig, for uten industriell kapasitet til å ta imot råvaren

SkatteFUNN vet vi ikke hva innebærer – det skal man komme tilbake til i statsbudsjettet – og Investinor krever faktisk minst like mye private penger for i det hele tatt å bli utløst. Det er jo så langt nesten ingenting i den pakken som er kommet. Det kommer vi sikkert til å få mye diskusjon om også utover sommeren. Jeg registrerer at det er litt energi i debatten rundt hele skogindustrien og skognæringen, og det syns jeg er

under denne regjeringen. 40 pst. – det er ganske dramatisk. Nå ønsker man å sette i verk en del tiltak. Man kan diskutere hvor konkrete de tiltakene er i forhold til det å vurdere transportutgiftene ved å tilrettelegge for tyngre transport. Vel, vi vet at veivedlikeholdet vårt er alt annet enn godt, så vi får se hvor fort vi kan få på plass en nødvendig infrastruktur for å understøtte den industrien. Jeg merker meg at statsråden mener det kun er transportkostnadene som er konkurranseulempen til denne så vi får se hvor fort vi kan få på plass en nødvendig infrastruktur for å understøtte den industrien. Jeg merker meg at statsråden mener det kun er transportkostnadene som er konkurranseulempen til denne industrien. Det tror jeg er feil, og jeg viser nok en gang til uttalelser fra næringen selv, som mener at det er særregler og lover som gjør at denne industrien sliter, og har dårligere rammebetingelser enn de ville hatt i f.eks. Sverige eller Finland. eller Finland. Jeg hadde kanskje trodd at statsråden ville se på de elementene også for å tilrettelegge for en mer bærekraftig utvikling av hele denne næringen. Til slutt litt positivt: Jeg kjenner til at bl.a. Avinor nå jobber med trevirke som ressurs, og da tenker vi på heltrehus. De har sine første prøveprosjekter på det, og dette er nettopp tiltak som kan hjelpe næringen, det er innovasjon i praksis. I Møre og Romsdal fylke jobber vi nå med et prosjekt som går på et videregående skolebygg – et stort videregående skolebygg – i heltre. Det blir spennende, og det man ser samtidig på er om man på den måten også kan unngå å måtte bruke tradisjonelle ventilasjonssystemer, men faktisk få disse byggene til på en bærekraftig måte med god, naturlig ventilasjon. Det finnes muligheter, men det er det å ta et systematisk grep når det gjelder å tilrettelegge, for at også denne næringen totalt sett skal være bærekraftig og komme over i en mer positiv utvikling. Det er en spennende næring med store muligheter. Vi registrerer at man så langt har opplevd en betydelig tilbakegang. Man har ikke tatt utviklingstrekkene på alvor. Nå prøver man, og så får vi håpe at tiltakene er tilstrekkelige. Jeg skal prøve ikke å forlenge debatten, men representanten Storberget fikk meg til å ta ordet. Venstre har fremmet noen forslag her i dag som vi mener er fremtidsrettede. Vi mener det ligger store muligheter i nye markeder, innovasjon og nyskaping på produktsiden innenfor skognæringen. Jeg beklager at regjeringspartiene ikke ser dette

«myke opp eierformene i landbruket slik at også aksjeselskap kan bli en mulig eierform, og dermed styrke næringens mulighet til å bygge egenkapital til fremtidige satsinger.» I programmet står det altså at man ønsker å ha aksjeselskapsformen som eierform til skogarealene. Dermed vet vi at alle plikter knyttet til skogarealene blir borte, slik at man får et eierskap hvor man kan skifte aksjer på samme måten som man kan skifte i ethvert annet selskap. Det er interessant at partiet Høyre ikke ønsker å diskutere eierskapet til skog, ønsker å fronte sitt syn, der de mener det er fordelaktig at man går fra et personlig privat eierskap til et aksjeselskapseierskap på Jeg kjenner få Høyre-folk som er tilhengere av dette. Høyre har tidligere vært partiet som gikk for et personlig eierskap. Det er det som er virkelig urkapitalismen, urkonservatismen, det personlige eierskapet – med den langsiktighet som ligger i det. Det er ikke en tilfeldighet at personlig eierskap er det som er valgt i skogen, for det trengs en langsiktighet som går langt utover det som du får ved aksjeselskapsformen. Høyre går altså inn for å åpne opp for aksjeselskapsform som eierform for skog. Det er ikke det som står i dette forslaget, for der står det driftsformer. Jeg får regne med når jeg har gått til kilden – som er Høyres program – at det er og det er klargjørende. Det blir en interessant diskusjon framover. Det var artig å registrere at statsråden var opptatt av Nasjonal transportplan og Fremskrittspartiets forslag til Nasjonal transportplan.

De har mange biler som fortsatt kjører der hver eneste dag, men man vet ikke hvor lenge det vil vare. De betaler bompenger i ganske dyre dommer og har andre problemer som følge av høye transportkostnader. Bompenger er et av de momentene som også slår inn der. Et annet område som er viktig for skogindustrien, er f.eks. havneinfrastrukturen. I Kragerø har man problemer med at båtene ikke kan ha full last på grunn av innseilingen og problemer med ting man burde ha fjernet i vannet. Regjeringen vil ikke gjøre noe med det. Når vi skal behandle Nasjonal transportplan på tirsdag, sier regjeringen nei til å gjøre noe med innseilingen, noe som ville ha vært et viktig bidrag til næringslivet, både innenfor treforedlingsindustrien og annen industri. Jeg var egentlig ganske positiv til det samferdselsministeren sa om at man skulle åpne for 60 tonn på vogntog som skal frakte tømmer innenfor trelastindustrien. Det hjelper ikke å sende det på høring. Det er ikke det bransjen trenger – de trenger handling og vilje til å gjennomføre og sørge for at man faktisk får kjøre med 60 tonn at man faktisk får kjøre med 60 tonn og ha en lengde på 24–25 meter. Man må også ha 20 tonn akseltrykk på boggien for trafikksikkerhetens skyld. Jeg registrerer at ikke mange har kommentert dette fra de rød-grønne partienes side, og heller ikke fra statsrådenes side. Trafikksikkerhet trodde jeg var viktig, og da burde man også ta med de innspillene som kommer fra bransjen. bransjen. Det er bra med 60 tonn og at man skal prøve å få det til i de forskjellige fylkene. Problemet er at det mange steder ikke er mulig å kjøre med 60 tonn hvis man ikke også ruster opp infrastrukturen, og kanskje spesielt den fylkeskommunale infrastrukturen. Der ser jeg jo at den rød-grønne regjeringen vil at det skal fortsette å forfalle. I næringskomiteens leders hjemfylke, Telemark, er problemet prosent av veinettet der som man nå skal vurdere om man skal tillate at det kjøres med 60 tonn. Representanten Per Roar Bredvold har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. I forslaget har vi brukt ordet «modulvogntog» – det har vært helt bevisst. Da gjelder det ikke bare for dem som frakter tømmer inn på sagbruket, men også for de transportørene som skal frakte et eller annet ut – dette gjelder altså alle vogntog. Når det gjelder representanten Lundteigen og hans spørsmål om forslaget vårt, er det eierform det dreier seg om. Det har næringsminister Trond Giske skjønt i sitt svarbrev til komiteen 10. mai i år, hvor han bl.a. skriver:

men de måtte fjerne den ganske fort, for aktiviteten falt kraftig. Det som skjedde da man fjernet aktiviteten, var at omsetningen gikk opp. Det var innenbygdsbonden som kjøpte, og utenbygdsbonden som solgte, og det var to eller tre selgere per kjøper. Altså oppnådde man at innenbygdsbonden fikk eie mer, og man oppnådde den strukturrasjonaliseringen som man ikke får til i Norge gjennom reguleringene. Så det går kanskje an å kikke litt opp av koppen og se at det går

som regjeringen effektivt innførte da Norske Skog prøvde å få til noe på Follum. Det resulterte i at Norske Skog nå har det pilotanlegget stående i Australia eller på New Zealand. Jeg er ikke sikker på hvilket land det er. Men der har de allerede det pilotanlegget som kunne ha vært på Follum, hvis ikke de rød-grønne nok en gang hadde innført en avgiftspolitikk som stopper ganske mye Eiendomsskatt er et annet forhold som jeg har hatt oppe med finansministeren flere ganger. Norsk Industri påstår at den medfører 100 mill. kr i særnorske kostnader for treforedlingsindustrien hvert år. Man får i hvert fall begynne med å fjerne de særnorske elementene før man anklager andre for næringsnøytralitet. Man får fjerne sin egen næringsdiskriminering. Representanten Lundteigen har hatt ordet to ganger tidligere og får
neste fredag. Representanten Ketil Solvik-Olsen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,
minutt. Jeg refererte til gjeldende program i Høyre når det gjelder skauarealer og eiendomsrett. I det kommende programmet står det: myke opp reglene for å kunne bruke aksjeselskap som selskapsform for deler av virksomheten på en landbrukseiendom – for å redusere risikoen og bedre muligheten for kapitaltilgang.» Deler av virksomheten på en landbrukseiendom! Begrepene er virksomhet – deler av virksomheten. Det er mye virksomhet som skjer på en landbrukseiendom, som ikke har noe med eierformen å gjøre. Det er fritt fram for å organisere selve driften som et aksjeselskap, men ikke eiendomsretten. Men nå har vi fått klargjort fra representanten Gundersen at det her menes at et AS kan ha eiendomsretten, og det er utrolig avklarende. Det er et skifte i hvordan vi skal organisere eiendomsrett til produksjonsarealer – jord og skau – i Norge. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 22. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 23 og 24 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Etter ønske fra finanskomiteen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

Komiteens flertall gir sin tilslutning til dette. Statens pensjonsfond Norge har en markedsverdi på 145 mrd. kr. Her understrekes den betydningen fondet har som en stor og langsiktig eier i det norske obligasjons- og aksjemarkedet. Det bidrar til stabilitet i økonomien som helhet. Størst oppmerksomhet i forbindelse med behandlingen – ikke minst i komitéhøringen – har den ansvarlige investeringspraksisen fått. Åpenhet, etiske retningslinjer og miljøinvesteringer er avgjørende for fondets legitimitet i befolkningen og bidrar til konkrete forbedringer for bl.a. helse, miljø og arbeidstakerrettigheter. Statens pensjonsfond utland solgte seg i fjor ned i 23 selskaper som blir vurdert til ikke å produsere palmeolje på en bærekraftig måte. Komiteens flertall ser positivt på nedsalget. Samtidig er det viktig at flertallet

Komiteen påpeker i den forbindelse at det forventes at investeringene i fornybar energi vil fortsette å vokse på verdensbasis i årene som kommer – ikke minst som et resultat av internasjonale klimaavtaler. Verdien av selskaper som investerer i fossil energi, kan komme til å falle framover. Komitéflertallet ber om en gjennomgang av erfaringene med de miljørelaterte investeringer før rammene eventuelt økes. Komiteens flertall understreker at forvaltningen av Statens pensjonsfond har hatt en positiv utvikling med mer åpenhet og klarere retningslinjer for ansvarlig investeringspraksis. Under høringen kom det fram uttalelser om at det er behov for enda mer åpenhet rundt eierskapsutøvelsen. Dette må følges opp av Norges Bank i tiden framover. Stortinget vedtok etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond i 2004. SV var pådriveren for disse retningslinjene. Det manglet ikke på motforestillinger, det var det var av mange sett på som både latterlig og umulig å gjennomføre. De tok feil, vi fikk rett. Nå er det bred enighet om etiske retningslinjer og ansvarlig investeringspraksis. Det norske pensjonsfondet er verdensledende på dette området og setter internasjonal standard. Det er vi svært fornøyd med. Regjeringen har satt ned et strategiråd som skal gjennomgå strategien for en ansvarlig investeringspraksis, og skal se på hvordan den samlede kompetansen i Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank kan utnyttes best mulig. Det er et svært viktig arbeid som skal være ferdig til høsten. Jeg forventer en god offentlig debatt i tilknytning til behandlingen av rådets arbeid, og jeg forutsetter at det vil prege neste års behandling av stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond. Så helt til slutt: I komitéinnstillingen er det blitt en feil i forslaget til vedtak.

Avkastningen på SPU var 13,4 pst. og på SPN var den 12,2 pst. før fradrag for forvaltningskostnader. Ved utgangen av året var den samlede verdien av fondet på 3 961 mrd. kr, det er en økning på 520 mrd. kr sammenlignet med inngangen til året.

og alle partia utanom Framstegspartiet er for. Det sikrar føreseieleg budsjettpolitikk og ei langsiktig forvalting av dei finansielle verdiane. Petroleumsinntektene vert investerte i dag, slik at dei kan leggja til rette for framtidig velstand og velferd. Samstundes nyt alle godt av fondet ved at me kan få 125,3 mrd. kr ekstra inn i budsjettet for 2013. Det aukar handlingsrommet i budsjettet og mogleggjer ei sterkare satsing enn det som elles ville ha vore mogleg på velferd, infrastruktur, forsking, utdanning og helse. Sidan 2005 har t.d. realveksten på samferdsel vore over 60 pst., tre gonger så mykje som veksten i dei samla utgiftene i statsbudsjettet. I tillegg har regjeringa lagt fram ein ny Nasjonal transportplan med ei styrking på ytterlegare 50 pst. På forskingsfeltet er løyvingane auka reelt med over 30 pst. Noreg brukar nest mest offentlege midlar målt per innbyggjar på forsking av OECD-landa. I årets melding er det ikkje lagt opp til større endringar i investeringsstrategien for SPU og SPN. Utviklinga av investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland er eit langsiktig arbeid. Derfor presenterer årets melding ein analyse av fleire sider ved strategien og følgjer opp dei vedtaka som er teke dei siste åra – aksjedelen er auka frå 40 pst. til 60 pst., ein har gått inn i eigedom, og no i 2013 er mandatet endra til at ein kan gå inn i eigedom globalt. Ansvarleg investeringspraksis er viktig for oss. Derfor er det sett ned eit strategiråd som skal sjå på fondet sin ansvarlege investeringspraksis. Strategirådet skal levera rapporten i oktober i år. Etikkrådet vart oppretta i 2004 og gjer ein veldig viktig jobb. I meldinga i fjor bad me regjeringa vurdera ressurssituasjonen for Etikkrådet. Da ei av oppgåvene til Strategirådet 2013 er å sjå på og kompetansen i både Finansdepartementet, Etikkrådet og Noregs Bank best kan nyttast for å styrkja arbeidet med ansvarlege investeringspraksis, vil ein venta med rapporten herifrå og gje ei vurdering deretter. Det er viktig med openheit om forvalting av fondet. Noregs Bank sitt eigarskapsarbeid er basert på internasjonalt anerkjende prinsipp, og dei gjer eit viktig arbeid, t.d. har fondet no selt seg ut av 23 selskap som produserte palmeolje på ein ikkje berekraftig måte. Det sender eit viktig signal til marknaden. Erfaringane så langt syner at me har evna å leggja til rette for ei langsiktig og god forvalting av landet sin petroleumsformue, sånn at det kan koma både dagens generasjon og

med en slik sak når man ser at 2012 totalt sett var et godt år for fondet. Like hyggelig var det ikke da vi eksempelvis hadde lagt bak oss kriseåret 2008, da fondet hadde tapt ca. 633 mrd. kr. Men i all hovedsak er det – som det er blitt sagt – tverrpolitisk enighet om at forvaltningen er god. Imidlertid er det noe som kan bli bedre. Men vi i finanskomiteen, som bare er folkevalgte representanter, er avhengig av nøytrale faglige vurderinger, eksterne rapporter og eksterne innspill – som vi også

hvordan investeringene kan bli bedre, hvordan tjene på risikopremier over tid, hvordan få høyere avkastning, hvordan få tryggere avkastning, hvordan utnytte fondets lange tidshorisont enda bedre, hvordan bli bedre på kostnadseffektivitet, hvordan få bedre styringsstruktur, eller hvordan bygge opp et norsk forvaltningsmiljø. Noe av grunnen er nok at Stortingets finanskomité ikke åpner opp for at enkeltpersoner eller selskaper kan komme med synspunkter på finanskomiteens åpne høringer. Derfor håper jeg at Stortinget og finanskomiteen i neste stortingsperiode kan revurdere reglene og praksis på dette området. Av den grunn tok Fremskrittspartiet selv initiativ til å arrangere et seminar om forvaltningen av Statens pensjonsfond der vi inviterte enkeltpersoner fra norsk finansmiljø og finansinstitusjoner. Det ble en De inviterte foredragsholderne kom med interessante innspill og hadde til dels sterke meninger om hvordan det kan gjøres bedre, om hvordan mandatene kan bli bedre, og ikke minst noe som det var enstemmighet for: hvordan man i større grad kan bygge opp forvaltningen man har her i Norge, på samme måte som Norge bygget opp kompetansen sin på olje og gass. Da var man i begynnelsen avhengig av På samme måte bør man tenke hvordan man kan bygge opp et norsk finansmiljø. Jeg vil i den anledning takk og rose Arbeiderpartiets medlem i finanskomiteen, Gunvor Eldegard, som også faktisk kom på seminaret og stilte gode spørsmål – bare synd at det kun var Fremskrittspartiets representanter og én fra Arbeiderpartiet som kom på dette seminaret. Vi inviterte også Norges Bank til å holde innlegg og orientere om status. Jeg må derfor uttrykke skuffelse over at Norges Bank ikke ville komme til dette seminaret på Stortinget. Norges Bank ble ikke bare invitert til å orientere om forvaltningen, men også til å svare på spørsmål – spørsmål som sannsynligvis kun Norges Bank kunne gi gode svar på. Når det gjelder de ulike forslagene som Fremskrittspartiet fremmer alene eller sammen med andre, vil jeg si noen ord om noen av disse: Fellesforslaget, forslag nr. 2, går på å investere mer i fattige land og framvoksende markeder.

utviklede markeder, noe som er i tråd med anbefalinger fra bl.a. Utviklingsutvalget og Norfund. Her ønsker vi en fortgang i prosessen. For noen år siden trakk departementet opp perspektiver for videreutvikling av strategien for SPU. Det ble bl.a. pekt på at SPU har en vesentlig lavere andel investert i unoterte aksjer og infrastruktur enn andre store fond internasjonalt. Videre ble det vist til at fondets størrelse og lange tidshorisont gjør det naturlig å vurdere slike investeringer. Man la da bl.a. vekt på å bygge erfaring fra det største og mest utviklede unoterte markedet, markedet for fast eiendom, først. Det ble samtidig pekt på at SPUs særtrekk gjør det naturlig å komme tilbake til spørsmålet om unoterte aksjer og infrastruktur senere. senere. Som kjent: I årets melding legges det ikke opp til større endringer i fondets investeringsstrategi, men Fremskrittspartiet mener man bør se nærmere på det ved neste stortingsmelding. Det har i den senere tid vært kritisert at Statens pensjonsfond utland låner penger til land der risikoen er høy og avkastningen lav. Jeg viser bl.a. til et oppslag på DN.no den 16. mai i år der det opplyses at japansk statsgjeld er fondets nest største Investeringen gir høy risiko, men japansk statsgjeld med både fem og ti års løpetid har i dag en rente på mindre enn 1 pst. I årets første kvartal ga de japanske obligasjonslånene som fondet har investert i, en negativ avkastning på 4,1 pst. Fremskrittspartiet mener at man at burde endre investeringsuniverset slik at man i større grad unngår Slik den internasjonale økonomiske situasjonen er nå, og sannsynligvis vil være i mange år framover, med mange land på konkursens rand og land som aktivt løser sine økonomiske problemer ved å bruke seddelpressen, er det fortsatt store muligheter for at både statsobligasjoner og aksjer kan stupe i verdi. Da vil det være fornuftig med nye analyser om hvorvidt fondets aktiva kan spres noe mer enn i dag – i andre eiendomsformer og med nye strategier,

at Norge internasjonalt blir kåret til det landet i den vestlige verden med dårligst infrastruktur når det gjelder veier. Vi burde se på andre investeringsformer og andre eiendomsformer for å spre risikoen. Jeg synes eksempelvis at det er interessant å se at flere stater i verden investerer i gull. Man gjør seg noen refleksjoner. Var det en tabbe av Stortinget å selge Norges gullbeholdning? I 2004 solgte som kjent Norges Bank, med Stortingets velsignelse, over 33 tonn gullbarrer på det internasjonale gullmarkedet i London. I etterkant kan vi i hvert fall være enige om at det ikke var perfekt timing. Siden den gang har gullprisen visstnok steget med godt over 400 pst. Da er det interessant å registrere at vårt naboland Russland, etter at president Vladimir Putin kom til makten, i november 2005, altså året etter at Norge solgte sin gullbeholdning, begynte å investere mer i gull. Russlands sentralbank hadde i 2005 387 tonn gull. De har etter det hamstret enda mer. Nå nærmer de seg 1 000 tonn gull. Hvordan er det i andre land? I land som USA, Tyskland og Frankrike utgjør gullreservene mer enn 70 pst. av de totale reservene. USA har de største gullreservene med over 8 000 tonn gull, fulgt av Tyskland med ca. 3 400 tonn. Det internasjonale pengefondet, IMF, har ca. 2 800 tonn. På de neste plassene finner vi Italia med ca. 2 500 tonn, Frankrike med ca. 2 400 tonn, Kina med litt over 1 000 tonn og Sveits med litt over 1 000 tonn gull. Når jeg først er i gang, kan jeg også nevne at den greske sentralbanken sitter med ca. 112 tonn gull til en verdi av 33 mrd. kr. Ellers er det andre innspill som kunne vært interessante. Som noen kanskje har fått med seg nå som hele Norge feirer 150-årsjubileet for Edvard Munch, en av de viktigste skikkelsene i moderne kunst, har tidligere partileder og mangeårig stortingsrepresentant Carl I. Hagen og nåværende nærings- og handelsminister, tidligere kulturminister, Trond Giske, foreslått at man kanskje bør vurdere å investere i kunst. Det kan det være mange gode grunner for. Men jeg skal la det ligge. Jeg vil bare avslutningsvis ta opp forslagene som vi har alene og sammen med andre. Når jeg ser på forslag nr. 4, fra Kristelig Folkeparti, er jo dette opprinnelig et gammelt fremskrittspartiforslag, som Fremskrittspartiet har foreslått flere ganger. Vi tenkte ikke å ta en omkamp på det, men når Kristelig Folkeparti faktisk tar det opp, vil vi selvfølgelig støtte det. Det vil jeg anbefale Fremskrittspartiets representanter å gjøre.

Jeg skal være relativt kort, for saksordføreren redegjorde på en utmerket måte for den brede politiske enigheten som knytter seg til forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, og ga riktig og god anerkjennelse for resultatene som er oppnådd siste år. Jeg vil gjerne understreke viktigheten av den brede politiske enigheten. Det er vesentlig i forvaltningen av vår store felles formue. Det at det er bred politisk enighet må imidlertid ikke bety at man skal unngå debatt om forvaltningen. Det mener jeg er viktig – politisk debatt, men også en bred faglig debatt. I den sammenheng er det utmerket med seminarer i Stortinget. Jeg skulle gjerne vært til stede på det, men det er brede faglige debatter i andre seminarer, også i skriftlig form. Jeg vil gjerne gi anerkjennelse for den utviklingen som har vært innenfor NBIM gjennom flere år, hvor det er lagt større vekt på åpenhet, større vekt på forankring og større vekt på etisk forvaltning. Det er tre viktige stikkord for hvordan denne jobben må gjøres. Det må være åpenhet om forvaltningen av så store verdier. Det er helt avgjørende at det er en demokratisk forankring av strategiarbeidet og de vedtak som skal gjøres i Stortinget, og det er viktig at forvaltningen er etisk og forsvarlig, slik at vi kan se våre barn og barnebarn i øynene om hvordan pengene er investert. Høyre tar, sammen med de andre borgerlige partiene, til orde for en gjennomgang av måten NBIM og SPU er organisert og styrt. Dette er ikke noen kritikk av måten det har vært gjort – tvert imot gir vi anerkjennelse til det. Men det er viktig når vi nå skal se 10–15 år frem i tid å stille spørsmålet: Er det riktig måte vi har organisert fondet på, og styres det på riktig måte? Høyre har i flere sammenhenger pekt på at det bl.a. er en betydelig utfordring at hovedstyret i Norges Bank har ansvaret både Statens pensjonsfond utland og for pengepolitikken. Det er fagområder som ligger relativt langt fra hverandre. Hovedstyret har god faglig kompetanse, men vi stiller spørsmålet: Bør man for fremtiden organisere det på en annen måte? Finansdepartementet har tidligere pekt på at det kan organiseres ved at det opprettes en egen rentekomité. Vi mener at det bør vurderes på nytt. Tilsvarende mener vi at man også bør vurdere om vi skal legge alle eggene i én kurv, eller om man bør tenke på flere fond. I den sammenheng vil jeg peke på Statens pensjonsfond Norge, som har opparbeidet betydelig kompetanse, og at man kan vurdere om man kan bygge videre på den, hvis man velger å ha flere istedenfor bare ett fond. Stortingets finanskomité har

til etiske verdiar vi har sett til forvaltninga. Det er verdt å merka seg at over 1 000 mrd. kr av dei vel 4 000 mrd. kr i Statens pensjonsfond utland er avkastning av fondet sine investeringar. Det fortel oss at investeringsstrategien så langt har vore vellykka. Framleis er aksjar og obligasjonar det langt viktigaste, men dei siste åra er Senterpartiet meiner at det er grunn til å vurdera om investeringane i fast eigedom bør aukast ytterlegare over tid, dette både ut frå ynsket om å sikra høge avkastningar av fondet sin kapital, og for å spreia risiko. Statens pensjonsfond Norge er forvalta av Folketrygdfondet. Fondskapitalen er på 135 mrd. kr. Det er beskjedent i forhold til men representerer likevel ein betydeleg aktør i den norske marknaden, med ca. 10 pst. av marknadsverdien på Oslo Børs. Folketrygdfondet er gjeve eit mandat kor verdiane i Statens pensjonsfond Norge skal forvaltast ut frå omsynet til avkastning, og der avkastninga blir lagt til i fondet sin kapital. Ut frå sin langsiktige investeringsstrategi har SPN ei stabiliserande rolle og kan verka motkonjunkturelt i den norske aksjemarknaden. Vi har òg sett at Folketrygdfondet har brukt sin posisjon som eigar til å fremja krav om ansvarleg leiing og moderasjon i leiarlønsutviklinga ved si deltaking i generalforsamlingane. Det er bra. Så vil det nok etter Senterpartiet si meining vera behov for å vurdera om investeringsstrategien for SPN kan utviklast vidare ved å utvikla Folketrygdfondet sitt mandat. Eg tenkjer både på behovet for å styrkja kapitaltilførsel til fastlandsindustrien og på finansiering av høgt prioritert infrastruktur. Dette vil vi arbeida vidare med i partiet. i finanskomiteen om forvaltninga av Statens pensjonsfond i 2012 fekk god og brei deltaking og gav mange innspel knytte til ansvarleg investeringsstrategi og dei etiske sidene ved forvaltninga. Vi behandla i denne debatten òg Kristeleg Folkeparti sitt forslag om å styrkja etikkarbeidet i SPU. Regjeringa gav tidlegare i år Strategirådet for SPU i oppdrag å gje ei vurdering av fondet sin overordna strategi for ansvarleg investeringspraksis, medrekna ressursane som er gjevne Etikkrådet for å utøva den sentrale rolla dei har. Dette er viktig arbeid. Det er òg eit arbeid som skal sikra at forvaltninga av fondet er i tråd med leiande praksis internasjonalt. Høyringa viste at det var generell tilfredsheit med Etikkrådet sitt arbeid, men òg at ein etterlyste både meir openheit og ikkje minst ei raskare behandling av dei forslaga som blir fremma av Etikkrådet. Det er gjort viktige vedtak om uttrekk i SPU sin investeringsportefølje. Tobakksproduksjon, barnearbeid og miljøomsyn har lege til grunn for uttrekk i vedtak som er gjorde. Vi møter nye krav om uttrekk. Det siste gjaldt eit gamblingselskap. Vi har òg hatt debatt om investeringar i alkoholproduksjonen. Dette er relevante innspel som må vurderast nøye. Det gjeld innspel om å styrkja miljøinvesteringar gjennom å utvida rammene som vi set for det. Kirkens Nødhjelp har vorte ei spanande stemme i debatten om global fordelingspolitikk. No må vi venta og sjå på dei vurderingane som blir presenterte om ansvarleg investeringsstrategi frå Strategirådet, og koma tilbake til korleis vi kan sikra den etiske profilen vi ynskjer å leggja til grunn i forvaltninga av fondet. Vi kjem heller ikkje utanom diskusjonen om at ansvarleg forvaltning av SPU tilseier ein investeringsstrategi som har breiare politiske mål

og også det representanten Sanner sa om selve forvaltningen av fondet. De få minuttene man har til rådighet, får jeg heller bruke på å si noe om de utfordringene vi ser fondet har fremover. Hvis jeg tar Statens pensjonsfond Norge først, er jeg i grunnen enig med det representanten Kleppa nå ga uttrykk for, nemlig å vurdere deres investeringsmandat. Jeg merket meg under høringen at fondet selv ga uttrykk for at investeringer i infrastruktur er absolutt interessant, som også Kleppa var inne på. Det gir vi vår tilslutning til. Når det gjelder Statens pensjonsfond utland, er det klart at med et så stort investeringsområde som man har – så mange selskaper man er involvert i – vil det stadig vekk komme opp spørsmål om man burde være i selskap «a» til «å». Det er lett å forstå at det fort kan bli debatt om enkeltselskaper. La meg i hvert fall peke på noen områder hvor vi ser noen dilemmaer. Når det gjelder f.eks. regnskog, er denne sal svært enig om å gjøre det vi kan for å hindre avskoging. Samtidig er det grunn til å spørre om vi med den andre hånd gjennom SPU er med på å investere i selskaper som motvirker den er med på å investere i selskaper som motvirker den politikken vi ellers står inne for, dette som på fint språk heter samstemthet. Jeg er klar over at Statens pensjonsfond utland har denne problemstillingen for øye, men jeg tror nok fortsatt vi har utfordringer i så måte. Vi fremmer noen forslag i denne saken, de har for så vidt allerede vært nevnt. Det gjelder både innenfor etikk, innenfor eget område for investeringer i fattige land og også innenfor miljø. Det synes vi er riktige signaler å gi, og vi er også spent på å se Strategirådets konklusjoner, ikke minst når det kommer til den etiske forvaltningen. For dette fondet trenger en solid legitimitet i det norske folk – det er det norske folks sparepenger vi forvalter – og da kan ikke målet om avkastning gå på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter eller miljø, for å nevne noen av de viktigste elementene i det etiske regelverket. Ellers har spørsmålet om å utvide de etiske retningslinjene for statsobligasjoner blitt tatt opp fra flere hold. Det er ingen enkel affære – det er jeg klar over – men vi fremmer allikevel følgende forslag: Vi ber regjeringen foreta en ny og mer grundig gjennomgang av mulighetene for å utvikle etiske hvor åpenhetskriterier hos utstederlandene ligger til grunn. Dette med åpenhetskriterier går rett og slett på at vi i mange situasjoner opplever at land tar opp gjeld som i realiteten er illegitim, ved at man ikke har den nødvendige basis i eget land for å ta opp de lånene man faktisk gjør. Så må jeg få lov til å nevne et forhold. Nå har vi fra SVs side – ikke fra finanskomiteens medlem fra SV, men fra utenrikspolitisk talsperson – i flere omganger blitt servert ønsket om boikott av Israel i ulike sammenhenger. Da er det paradoksalt gledelig – sett fra mitt ståsted, selvfølgelig at fondet nå har startet med investeringer i israelske statsobligasjoner. Vi gratulerer med det. Det er sikkert for å spre risiko og sørge for at man får en bedre investering og avkastning for investeringen enn man ellers ville gjort. Til slutt: Det var også interessant å høre Rytmans – hva skal vi si – ulike innspill om hvor man ville investere fremover: gull, grønne skoger og kunst. Et øyeblikk håpet jeg at nå får vi en støtte til Edvard Munch og nytt museum, men det var ikke museet, det var altså kunsten

Store inntekter fra petroleumssektoren har bidratt til at den norske stat nå forvalter en betydelig finansiell formue gjennom Statens pensjonsfond utland. Den er forvaltet på en måte det er grunn til å være stolt av, og som vi i all hovedsak bør fortsette med. Jeg er helt sikker på at de fleste lands parlamentarikere gjerne skulle hatt nettopp den debatten vi har i dag – om hvordan vi skal forvalte vår felles formue på best mulig måte til glede for kommende generasjoner. Investeringsstrategien i Statens pensjonsfond utland har naturlig nok vært preget av moderat risiko og investeringer i kjente markeder og objekter. Det har vært fornuftig. Men nå er tiden inne til å justere kursen noe: Venstre ønsker at Statens pensjonsfond utland i større grad investerer i samfunnsansvarlige og bærekraftige virksomheter og i fremtidsrettede sektorer som fornybar energi og I tillegg bør fondet investere mer i fremvoksende markeder, noe som de siste årene har vist seg å gi langt bedre avkastning enn investeringer i rike land. Vi har et spesielt ansvar for god moral og etikk. De mål som et bredt flertall i denne sal står sammen om, må også gjenspeiles i den aktiviteten den norske stat, gjennom SPU, fører i andre land. Målet om om avkastning i SPU må derfor aldri gå på bekostning av menneskerettigheter eller miljø. Derfor bør vi nå utrede den finansielle og klimapolitiske risikoen involvert ved at SPU i dag er tungt investert i olje- og kullselskaper. SPU bør ikke foreta investeringer som ikke er forenlige med den globale klimamålsettingen om maksimalt 2 graders temperaturøkning.

for en del av fondets portefølje, slik at selskapet også aktivt investerer i de mest bærekraftige selskapene, og ikke kun fokuserer på å unngå de verste. I dag i statsobligasjoner. Denne formen for utlån reguleres ikke av norske eller internasjonale retningslinjer. Derfor mener Venstre at et krav om åpenhet i politiske beslutningsprosesser i utstederlandet må være en forutsetning for at fondet investerer i statsobligasjoner. Venstre vil i tillegg at det skal settes av kapital fra oljeformuen til investeringer innenfor to prioriterte områder. Den ene delen skal ha et utviklingsmandat og investere i infrastruktur og selskaper som kan bidra til bærekraftig vekst i utviklingsland der det er gode avkastningsmuligheter og akseptabel risiko. Den andre delen skal ha et klimamandat og investere i fornybar energi og annen klimavennlig virksomhet, både i rike og i fattige land. Disse investeringene bør ikke inngå i mandatet til SPU, men investeres og forvaltes ut fra et mandat og en akseptabel risikoprofil som er tilpasset målene om bærekraftig utvikling og reduserte klimagassutslipp, med sikte på langsiktig lønnsomhet. Det vil være bra for Norge og for å redusere de samlede globale klimagassutslipp. Ved en inkurie har Venstre ikke blitt medforslagsstiller til forslagene nr. 4 og 5, fra Kristelig Folkeparti. Som det fremgår av merknadene i innstillingen, tar vi nettopp til orde for det som blir foreslått her. Venstre ønsker derfor her og nå å gi beskjed om at vi ønsker å stemme
langsiktige valgene og hvordan vi skal forvalte våre felles sparepenger. Debatten og meldingen er også ment å bidra til åpenhet og en bred debatt om forvaltningen av fondet, med andre ord: samhandling med og forankring i Stortinget av de viktige veiene framover for begge fond. Ser vi på både SPU og SPN, oppnådde de gode resultater i fjor. Det var lave kostnader. Jeg finner grunn til å berømme begge fondene for den jobben man har gjort, og måten man forvalter våre felles sparepenger på. Hvis en ser på SPU, er utgangspunktet for investeringsstrategien å prøve å oppnå høyest mulig avkastning innenfor det som kalles moderat risiko. Derfor har jeg nå utvidet investeringene gradvis til å omfatte både nye land og nye typer investeringer og selskaper. Ved årsskiftet hadde vi investert i 72 land. I meldingen for

viser de tydelig at det er et bredt flertall som støtter den nåværende investeringsstrategien i Pensjonsfondet. Det er, som andre talere har vært inne på, slik at vi forvalter disse to fondene på vegne av det norske folk, og i rollen som ansvarlig investor skal vi ivareta verdier i videste forstand. Vi skal sikre langsiktig avkastning, og det henger etter mitt syn tett i hop med rollen som ansvarlig investor. Vi har høstet bred erfaring med arbeidet med ansvarlige investeringer. Norges Bank forvalter SPU og har ansvaret for eierskapsutøvelsen. Etikkrådet overvåker porteføljen og gir råd om utelukkelse eller observasjon av selskapet. Finansdepartementet, som eier SPU, har ansvaret for å Finansdepartementet, som eier SPU, har ansvaret for å fastsette den overordnede strategien og ta beslutninger om utelukkelse etter råd fra Etikkrådet. Helt siden vi fikk etiske retningslinjer i 2004, har vi sammenhengende jobbet med å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer. Dette er et arbeid som er under utvikling hele tiden, og det er også bakgrunnen for at vi har gitt Strategirådet for SPU et oppdrag om å legge fram en rapport om fondets overordnede strategi på dette feltet. Den rapporten vil bli lagt fram til høsten, og konklusjonene fra Strategirådet og departementets vurdering vil bli tatt inn i meldingen for 2013 og lagt fram for Stortinget for diskusjon. Vi skal sørge for at Etikkrådet har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre arbeidet sitt. Samtidig er det ikke slik at økningen i fondets størrelse automatisk innebærer behov for en direkte økning i Etikkfondets ressursbehov. Rådet skal vurdere selskapers virksomhet, og antallet selskaper i porteføljen øker ikke med porteføljens størrelse. Vi har heller ikke basert systemet på at Etikkrådet skal ha inngående kjennskap til alle selskapene, men de skal fange opp tilfeller der andre kontroll- og overvåkingsmekanismer ikke strekker til. Slik er det, egentlig: Oljeformuen har gitt oss et utgangspunkt som er få andre land forunt. Men det å ha en stor naturressurs er i seg selv ikke nok. Det har mange land med store naturressurser erfart. For å nyttiggjøre seg en slik gave som petroleumsformuen er, må den forvaltes til beste for befolkningen på en god og langsiktig måte, og jeg mener at det har vi klart. Det blir replikkordskifte. Som presidenten kanskje hørte, holdt jeg mitt innlegg og

når man i etterkant ser at mange andre stater har hamstret gullreservene sine. Man finner noen eksempler på at noen har solgt, men man ser bl.a. at gullprisen siden 2004 har økt med over 400 pst. Når en tar en beslutning f.eks. om det å selge gullbeholdningen, vurderer en utsiktene der og da. både bakover og kanskje framover, og så tar en en beslutning. Så kan det vise seg i ettertid at en har «tapt på» det å selge, at en kunne tjent på å bevare gullbeholdningen, eller en kunne faktisk ha sett at en hadde ventet for lenge på grunn av at prisen gikk ned. Jeg tror at i etterpåklokskapens lys er det vanskelig å gjøre om igjen beslutninger som man tok på et tidspunkt. Beslutninger må tas ut fra den beste kunnskapen man har på det tidspunktet. Når det gjelder Statens pensjonsfond utland, har det den store fordelen at det er et fond som skal vare lenge – en er en langsiktig investor. Det betyr også at en f.eks. kan tåle svingninger i aksjemarkedet og dermed ha et mer langsiktig syn på forvaltningen. Under høringen om meldingen om Statens pensjonsfond utland utfordret jeg finansministeren på opposisjonens forslag om en evaluering knyttet til

Da åpnet finansministeren for å foreta en slik vurdering i begynnelsen av neste periode. Finansministeren sa – for å være mer presis – at det er naturlig at et nytt storting foretar en slik vurdering. På hvilken måte ser finansministeren for seg at en slik evaluering kan foretas? Vil det være en intern vurdering i Finansdepartementet, eller vil man åpne for en noe bredere evaluering og vurdering om en fremtidig organisering? Som jeg sa i den høringen, er det naturlig at en ved begynnelsen av en stortingsperiode behandler og diskuterer i Stortinget noen store saker som angår forvaltningen av fondet, slik vi også gjorde det i 2010 da en diskuterte spørsmålet om organiseringen. På det tidspunktet hadde en gjennomført en del endringer i måten dette var organisert på, og da var argumentet at vi bør se hvordan dette virker over tid, slik at Jeg tror det vil være fornuftig nå å se på hva som har skjedd i løpet av fireåresperioden. Vi har ikke tatt noen stilling til hvordan vi rent praktisk skal organisere det, men jeg står ved mitt løfte om at i meldingen for 2013 vil en legge opp til en diskusjon om disse tingene, ut fra både erfaringer og litt tanker om hvordan framtiden ser ut. Jeg tror det er fornuftig og nyttig at en med jevne mellomrom har den type diskusjoner.

var det noen analyser av hvordan man kan se for seg at Statens pensjonsfond utland investerer fremover og vektingen i de ulike markeder. Er statsråden enig i at det fremover kan bli enda større behov for å endre vektingen, slik at man går inn med større tyngde i fremvoksende markeder, også av hensyn til den avkastningen vi ønsker å få på fondet? Når det gjelder spørsmålet om åpenhet, var det en diskusjon som kom opp for litt siden. Der ga også Norges Bank uttrykk for hvordan de har tenkt å organisere det i tiden framover, med en mer jevnlig rapportering. Jeg er i grunnen fornøyd med den linjen som NBIM der la seg på, og jeg tror det er et fornuftig standpunkt at en får en mer mer løpende og regelmessig rapportering. Men i tillegg dreier det seg om et ganske stort antall selskaper. Det er klart at det er mer omfattende når en eier 7 000 selskaper enn om en hadde eid ti selskaper. Når det gjelder vekting, gjennomførte vi store endringer i forbindelse med årsmeldingen for ser hvordan dette slår ut. En del av de endringene vil også innebære at en øker investeringsandelen i framvoksende økonomier fra om lag 6 til om lag Venstre mener at Etikkrådet trenger større ressurser, slik at rådet kan behandle flere saker og sørge for at selskaper utelukkes fra fondet hvis det bryter med fondets etiske retningslinjer, som jeg sa i mitt innlegg. Så hørte jeg – i hvert fall tolket jeg finansministerens innlegg slik – at han mente at dette ikke hadde noen betydning, og at det ville bli mer etikk om man styrket Etikkfondet. Så hørte jeg – i hvert fall tolket jeg finansministerens innlegg slik – at han mente at dette ikke hadde noen betydning, og at det ville bli mer etikk om man styrket Etikkfondet. Mitt spørsmål er da om jeg tolket finansministeren rett. Det jeg sa, var at det er ingen automatisk forbindelse mellom økningen i fondet og en tilsvarende automatisk ressurstilgang til Etikkrådet, for det Etikkrådet ser på, er enkeltselskaper. Så her er det avgjørende. Faktisk er det slik at en i løpet av en tid nå har redusert antall selskaper som fondet er inne i, slik at det nå er på om lag 7 000 selskaper. Det som er viktig for meg, er at fondet skal ha tilstrekkelige ressurser. Jeg mener at det er fornuftig å se dette i sammenheng med den rapporten som nå kommer fra Strategirådet, der en både skal se på totale ressurser og kompetanse i Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank under ett, for å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

lærte oss at når det knaker i finansnæringen, slår det veldig raskt inn i resten av samfunnet. Det er også få områder som nå står overfor så dyptgående nye reguleringer som finansnæringen vil gjøre de neste årene. Det er nok langt fra siste gang vi har debatter i denne sal om hvordan finansmarkedene skal se ut i framtiden. Når det er sagt, er norsk finansnæring variert, sterk, solid og står godt rustet for Bankene og finansinstitusjonene er en helt avgjørende del av norsk økonomi. Gjennom utlån til boligeiere, og lån til små og store bedrifter støtter bankene opp under utvikling, nyskaping og vekst både for privatpersoner og næringsliv over hele landet. Det er samtidig bred internasjonal enighet om å heve minstekravene til bankenes egenkapital. Solide banker er sikre banker, og sikre banker er bra for stabiliteten i norsk økonomi. Sannsynligheten for bankkriser reduseres. Stortinget behandlet som kjent i forrige uke, noe tidligere enn vi er forpliktet til etter EØS-avtalen, hvordan kravene i hovedsak vil se ut for bankene framover. Det var en viktig avklaring, som også næringen selv har bedt om. Forholdene ligger Og selv om det står igjen spørsmål bl.a. om konkretisering av kapitalkrav og beregningsgrunnlaget, har vi nå tatt viktige steg i riktig retning. Så gjenstår det fortsatt betydelig arbeid overfor andre deler av det norske finansmarkedet. Dette må håndteres gradvis utover i neste stortingsperiode. Vi vet bl.a. at de nye EU-reglene for forsikringsselskap – såkalt Solvens II – vil medføre utfordringer for norske Økte krav til kapital i kombinasjon med lav rente og økende levealder, som øker verdien av selskapenes forpliktelser, utgjør en ikke ubetydelig utfordring framover. Regjeringen har på dette feltet varslet avklaringer om regelverket høsten 2013. En samlet komité imøteser en slik avklaring i innstillingen til finansmarkedsmeldingen. Så til slutt to korte kommentarer om temaer som er særskilt behandlet i årets melding. For det første: Det er en samlet komité, selv om jeg må legge til at Kristelig Folkeparti nok vil gå enda litt lenger, som mener det er positivt at regjeringen har fremmet forslag til endringer i hvordan Finansklagenemnda fungerer. Sammen med de tidligere varslede tiltakene for styrking av forbrukernes rettssikkerhet vil endringene bety betydelig forbedret forbrukervern

Det er bra at det er gitt en omfattende behandling av dette i årets melding, og jeg tror personlig at dette også er et felt vi kommer til å følge nøye opp i årene som kommer. Det har etter vært blitt en veldig innvevd del i folks privatøkonomi og selskapenes økonomi, og vi er ekstremt sårbare når teknologien ikke fungerer. Samfunnet blir rett og slett lammet. Med dette legger jeg fram

«Vi er vitne til en kraftig oppbremsing. Investeringene vokser svakere både på fastlandet og på sokkelen. Husholdningene er mer forsiktige. Vi regner med at dette varer inn i 2014.» Advarslene fra Nordea Markets og NHO er tydelige. Det er altså ikke mulig å regulere seg ut av kriser, men fornuftige og avbalanserte reguleringer bidrar til stabilitet. Enhver regulering har en kostnad. Den kostnaden Reguleringskostnader er ikke like åpenbare for folk flest, og for mange kan de virke usynlige, men de er der. Økt egenkapital betyr mindre penger i sirkulasjon og indirekte et mindre potensial for økonomisk vekst. Økt egenkapital må dekkes inn gjennom tilbakeholdt overskudd, lavere utbytte, høyere rentemarginer, kapitalinnkalling eller kostnadskutt, eller en kombinasjon av de virkemidlene. Men som sagt, finansmarkedet trenger reguleringer, og i et internasjonalt finansmarked er det en selvfølge at slike reguleringer er internasjonale, og at de trer i kraft på samme tidspunkt. Den første betingelsen møter regjeringen. EØS-avtalen sikrer dette. Fremskrittspartiet er imidlertid skeptisk til at regjeringen ivrer etter å implementere internasjonale reguleringer før fristen, og lenge før våre konkurrentland gjør det samme. Det er oppskriften på å tape konkurransekraft. Fremskrittspartiet er på denne bakgrunn spesielt glad for at regjeringen har lagt bort planene om å innføre en egen aktivitetsskatt på finansnæringen. Det var jo et yndet samtaletema her – for noen år siden var det det som var særlig SVs gullkalv, nemlig en ekstraskatt på finansnæringen. Heldigvis er det lagt bort, og jeg håper for godt. Verden rundt oss er preget av stor ustabilitet. Den ustabiliteten kan fort smitte over til Norge. Regjeringen ønsker selvsagt å fremstille det som et resultat av egen politikk, men jeg tror at vi alle skal være såpass ærlige at vi innrømmer at vår store pengebinge har gjort det mulig å videreføre ulike syke- og trygdeordninger. Antall nordmenn sysselsatt i privat virksomhet er ikke spesielt imponerende. Jeg registrerer også at regjeringen nevner tre faktorer den mener påvirker sårbarheten i finanssystemet, nemlig lav rente, høy boliggjeld

Dersom kostnadene ved lang levealder blir høye, bør regjeringen heller oppmuntre mennesker til å stå lenger i jobb – færre på trygd. Det kan ta lang tid å bygge opp finansielle verdier, men de kan raskt forsvinne. I en usikker og ustabil verden er det å bygge opp samfunnsøkonomisk lønnsom infrastruktur noe av det klokeste vi kan foreta oss. Å omgjøre finanskapital til realkapital er en investering i varige verdier. Og la det være sagt fra denne talerstol fra Fremskrittspartiet at kommer det et børskrakk, kommer det et stort fall i børsverdiene rundt omkring i verden, og våre verdier raser, har vi advart: Vi burde og bør fremdeles investere i infrastruktur. Den vil ikke forsvinne i et børskrakk.

oljepengene, den utbyggingen som er i Nordsjøen, og ikke minst også en god avkastning i Statens pensjonsfond utland. Vi har allikevel valgt å signalisere politisk uenighet på noen punkter, og vi tar det i kronologisk rekkefølge. Både Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har også i år en merknad som kritiserer 15 pst.-regelen som Finanstilsynet bruker. Boligprisene stiger fortsatt, de som regelen er ment å ramme, får finansiering enten via foreldre eller via kredittkort, og mange får finansiering via kommunale startlån eller statsbanker. Så vi har en merknad om det. Så er det et svært emne som har vært oppe nå i flere år, i både europeisk og norsk målestokk. Det Så er det et svært emne som har vært oppe nå i flere år, i både europeisk og norsk målestokk. Det er at alle ønsker trygge banker, men det er ikke nødvendigvis alle som har sett behovet for å ha en konkurransedyktig finansnæring i et relativt lite land som Norge. Der går det også en forskjell mellom de rød-grønne på den ene siden og de aller fleste borgerlige partiene på den andre Vi skriver i merknadene her at det er litt oppsiktsvekkende at regjeringen ikke bruker anledningen i forbindelse med finansmarkedsmeldingen til å kommentere eller analysere de tenkbare negative effektene av strengere norske krav og raskere innføring enn i andre land. Vi ser i Dagbladet for i går at regjeringspartiet SV garanterer en ny aktivitetsskatt, som skal komme på toppen av alle andre krav i finanssektoren. Vi har vært bekymret for at det får store konsekvenser for norske små og mellomstore bedrifter som skal finansiere lån for å bygge seg opp og skape nye arbeidsplasser og sikre eksisterende arbeidsplasser. Regjeringen har hatt ekstremt lite fokus på de mulige konsekvensene av det. det. Flere bedrifter og foreninger rapporterer om investeringsproblemer nettopp fordi bankene holder igjen utlånene sine. I likhet med finanskomiteens leder støtter vi også de fire endringene – for å kalle det det – som nå kommer i Finansklagenemnda. Den ene er at leder og nestleder av fagnemndene skal være en høyt kvalifisert jurist som er nøytral overfor avtalepartene. Det er på tide – de burde nesten vært det fra dag én. Det at nemndene utvides fra fem til sju medlemmer vil også bidra til å øke kompetansen, og hvis det er uenighet, vil det kunne bredere avspeiles. At Finansklagenemndas sekretariat skal drive veiledning når det gjelder klager, er

For Høyres del hadde vi satt større pris på at regjeringen involverte Stortinget for å skape en mer enstemmighet om de store endringene som gjelder finanssektoren. Det ser nesten ut som om SV har fått litt for stor innflytelse i regjeringen, framfor at vi får en helhetlig innfallsvinkel med et bredt kompromiss i hele Stortinget. Til representanten Kambe kan jeg si at det er

denne næringen skal være robust nok til å stå imot om krisen i den europeiske økonomien skulle ramme Norge. Situasjonen er fortsatt usikker. Erfaringen fra den norske bankkrisen på 1990-tallet er også viktig å ha med når vi skal håndtere situasjonen i dag. Det er en erfaring som ikke minst nåværende finansminister har god kjennskap til, da han var finansminister også den gang. Det kommer godt med. Av komitémerknaden går det fram at det er enstemmighet om de premissene som er lagt til grunn for vurderingen av de egenkapitalkravene som nå er vedtatt i forhold til det norske bankmarkedet. Beskrivelsen av situasjonen i norsk økonomi kontra situasjonen i europeisk økonomi tilsier at vi ikke kan ha de samme regulerende tiltakene i Norge som i Europa for øvrig. Norske banker går godt og har store overskudd. De nye kravene til egenkapital vil være bra for banknæringen som helhet, da de er tjent med tillit og stabilitet. Derfor er det noe merkelig at opposisjonen hopper av når vi kommer inn på konkrete tiltak og gjennomføringen av det som ligger til grunn for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Da mener de at kravene kommer for raskt, at de burde være de samme som i Europa for øvrig, at de går ut over norsk næringsliv, at vi får kapitaltørke, og at det går ut over låntakerne. De argumentene som er framført i merknadene fra opposisjonen, er nær identiske med det som kom av innspill fra

også semje om at det var i norsk interesse å gjennomføra tiltaka mens vi er i ein føre-var-posisjon og er så heldige å ha ei robust finansnæring. Ein samla komité uttrykkjer i innstillinga bekymring for at stadig fleire hushald i Noreg har ei gjeldsbelastning som gjer dei sårbare for høgare rente, auka arbeidsløyse eller fall i bustadprisane. Verken bustadprisane eller hushalda si gjeld har nokon gong vore så høge som no. Låg rente dempar verknadene av dette. Komiteen er einig i verkelegheitsbeskrivinga, men trekkjer ulike konklusjonar når det gjeld tiltak som er sette inn for å dempa risikoen for verknadene på norsk økonomi. Dette kan handla både om kundar som ikkje kan betena låna sine, og om bankar som må ta store tap på utlån. Begge delar er dramatisk for dei det direkte gjeld, og for samfunnsøkonomien. Fleirtalet har ut frå dette forståing for Finanstilsynet sine krav om 15 pst. eigenkapital ved bustadkjøp. Opposisjonen vil fjerna eller redusera krava. Eg trur ikkje det er kloke konklusjonar ut frå den felles verkelegheitsbeskriving vi har i komitéinnstillinga. Så vil eg seia meg tilfreds med oppfylginga av Stortinget sitt oppmodingsvedtak frå 2012, der regjeringa vart bedt om å vurdera organiseringa av Finansklagenemnda med sikte å styrkja rettstryggleiken til klagarane. Finansklagenemnda sine avtalepartar forsikrar om skal fylgjast opp og bli gjennomførte. Det vil bli lettare å melda inn klagar, samansetjinga i klagenemndene blir gjennomgått, og det skal arbeidast med betre rettleiing til publikum om klagerett og korleis ein klage Eg er òg tilfreds med forsikringa i finansmarknadsmeldinga om at det blir arbeidd med å sikra at den norske innskotsgarantien blir oppretthalden. EU sitt ynskje om full harmonisering av dekningsnivået til 100 000 euro vil redusera verdien av vår nasjonale garanti med 60 pst. Frå Senterpartiet si side vil vi understreka at det ikkje er aktuelt å svekkja den norske innsatsen for å sikra vår nasjonale innskotsgaranti. Noregs Bank si verksemd er meir omfattande og betydningsfull enn kva som er tilfellet for dei fleste lands nasjonale bankar. Som i andre land har dei si rolle knytt til penge-, kreditt- og valutapolitikken, men Noregs Bank er òg tillagt forvaltninga av Statens pensjonsfond utland. Det har etter kvart vorte ei svært viktig rolle å fylla, som vi nettopp har drøfta.

gjennom Finansdepartementet, som tidlegare. I finansmarknadsmeldinga 2012 heiter det at ein bør vera open for å sjå nærmare på korleis representantskapet si rolle kan utviklast vidare, bl.a. ved val av hovudstyret. Det er òg teke opp i komitémerknaden til representantskapet si melding til Stortinget. I Senterpartiet er vi positive til ei styrking av representantskapet si rolle. Det vil kunna gje representantskapet – og indirekte Stortinget, som utnemnande organ ein hensiktsmessig funksjon, om f.eks. representantskapet blir gjeve ei rolle når Noregs Bank sitt hovudstyre og banken si leiing skal utnemnast. Denne meldingen – finansmarkedsmeldingen – kommer med et bakteppe, hvor vi ser uro i Europa, og hvor «det er

overordnede syn på dette og har ikke så mye å tilføye til det. Et par andre bemerkninger: Når det gjelder uenigheten om egenkapitalkravet, vil jeg fra Kristelig Folkepartis side si at vi i forrige uke ga vår tilslutning til regjeringens forslag om økte kapitalkrav til finansnæringen. Gjennom det har vi gitt uttrykk for at det er viktig at vi har en solid

er i markedet, er det faktisk slik at vi står overfor en mer klassedelt boligsektor enn på mange, mange år. Selv et nyutdannet akademikerpar, med solide fremtidsutsikter, både for lønn og soliditet, har nå ikke mulighet til på egenhånd å skaffe seg bolig. foreldre eller få inn kapital på annen måte – endog gjennom forbrukslån – eller gå til husbank, ta opp startlån eller ty til den typen virksomhet som tross alt innebærer noe begrensede muligheter for å få lån. Jeg at man må ha et slikt generelt krav, frembæres med den største overbevisning. Jeg synes det hadde vært bedre at man utøvde et individuelt skjønn i hvert enkelt tilfelle i disse sakene. Så til Finansklagenemnda: Vi fremmet i fjor et forslag om betydelige endringer i det systemet vi har i dag. Daværende saksordfører, Gerd Janne Kristoffersen, gikk inn i dette med stort alvor, og opposisjonen fikk for en gangs skyld et vedtak i positiv retning. Det har vært jobbet i Finansdepartementet, og det er vi glad for også fra Kristelig Folkepartis side. primært å få en helt uavhengig statlig nemnd. Det gjør vi med bakgrunn i det vi har sett av hvordan nemnden har fungert til nå. Jeg er likevel glad for de klare endringene i forbrukervennlig retning som regjeringen foreslår, når man først legger til grunn grunn det rammeverket for nemnden, som man gjør. Problemet er at – og det kan jeg ikke unnlate å si – det har vært en for høy terskel for mange. Når forbrukerne selv må bruke advokat for å komme i noenlunde grei kontakt med nemnden, er det noe som ikke fungerer. Det som alvorlig, er at finansinstitusjonene i altfor stor grad har tilpasset seg det faktum at nemnden overhodet ikke bryr seg om det som har skjedd av muntlig kontakt mellom kunder og banknæring. Det har finansinstitusjonene så til de grader tilpasset seg ved å sørge for å massere kundene i lang tid før det kommer noe skriftlig, skriftlig, som man da undertegner på. For norsk finans- og banknæring synes jeg det må være et stort tankekors å se hvordan man har behandlet sine kunder. Representanten Hans Olav Syversen har tatt opp det forslaget han refererte til. Jeg vil bruke anledningen til å ta opp to ting i mitt innlegg. Det ene er

De samme partiene har i 2013 økt bevilgningene til driftsutgiftene ved boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse med 37 mill. kr eller 71 pst., sammenliknet med saldert budsjett for 2012, fordi pågangen til ordningen har økt dramatisk. Altså øker man tilskuddet til en offentlig låneordning som slett ikke stiller de samme kapitalkrav som det de samme partiene mener er nødvendig for dem som ikke er medlemmer av Statens Pensjonskasse. Det samme gjelder for Husbanken, som også representanten Syversen var inne på. Kommunene rapporterer om en økning i antall søknader og innvilgede startlån gjennom Husbanken. Derfor må det økte kravet til egenkapital gjennomgås på nytt og erstattes med andre virkemidler, som nødvendige krav til sikkerhet for lån og bedre ordninger for å spare til egen bolig

En av de største utfordringene for næringslivet er tilgangen til kapital, bl.a. gjennom lån fra bankene. Som følge av nye og strengere kapitalkrav faller nå bankenes utlån til næringslivet. Det kan få store konsekvenser på sikt dersom dette er en vedvarende utvikling. Som del av EUs forordning om nye kapitalkrav– som Norge plikter å rette seg etter – er det tatt inn en bestemmelse som skal stimulere bankene til å yte kreditt til små og mellomstore bedrifter. Dette er låntagere som i særlig grad vil kunne rammes når bankene – som følge av strengere krav til kapital – strammer inn sin utlånspraksis. Det er derfor svært viktig at Norge har samme forståelse av EU-forordningen om nye kapitalkrav, slik at små og mellomstore bedrifter i Norge blir likebehandlet med landene rundt oss når det gjelder muligheten til å få lån og tilgang på kapital innenfor rammene av et felles regelverk. Dessverre er både finansministeren og regjeringspartiene nølende når det gjelder dette punktet. Viktigheten av små og mellomstore bedrifter blir ofte omtalt av regjeringspartiene i denne salen. Men dette gjenspeiler seg ikke – slik Venstre ser det – i denne saken. Jeg tror det er

utarbeide nye reguleringer og tilsyn og å styrke soliditeten i finansnæringen. For Norges del: Når det går bra i økonomien, når det er gode resultater i finansnæringen, når det er muligheter for det, slik jeg ser det nå, skal vi bygge reserver. Ofte er det slik, og det er også en lærdom fra historien, at det er i gode tider en kan gjøre feil og miste litt overblikket – noe som gjør at en at det er i gode tider en kan gjøre feil og miste litt overblikket – noe som gjør at en må betale dyrt senere, som vi sa i stad. Det er en del utfordringer framover, både i Norge og internasjonalt, når det gjelder finansnæringer. Det ene er at vi nå over lang tid har hatt særdeles lave renter, både internasjonalt og i Norge, og effekten av lave renter over tid, hvordan det ter seg den dagen det blir mer normalisert, er et viktig spørsmål å fokusere på. Vi ser at det er tilført betydelig likviditet både i europeiske og i amerikanske banker. Hva skjer den dagen det er nødvendig å trekke noe av dette tilbake? I litt mindre målestokk har vi det faktum at en i det faktum at en i flere land har lang avdragsfrihet på lån kombinert med lave renter. Hva skjer den dagen avdrag skal betales, og høyere renter trer inn, som de vil gjøre på ett eller annet tidspunkt? Det er mange ting å akte på innenfor denne næringen. Stortinget har sluttet seg til loven om nye kapitalkrav. Det er bra. Det var bred enighet Det gjenstår et par element i dette. Det ene er den såkalte motsykliske bufferen, der vi tar sikte på ganske snart å sende på høring et forslag. Det andre som gjenstår, er en forskrift om risikovekter for boliglån, som det også jobbes med i Finansdepartementet. Et tredje punkt som vi også vil vise til, er behovet for å ha mest mulig like konkurransevilkår for banker som opererer i Norge. Derfor jobber vi fortsatt med muligheter for en best mulig nordisk samordning akkurat på det punktet. Når det gjelder innskuddsgarantiordningen, er den viktig, som det tidligere har blitt påpekt i debatten. Her har det stoppet litt opp i EU, i den forstand at vi ennå ikke har fått på plass en avgjørelse, men jeg kan love Stortinget – og det er det lett å gjøre, med den backingen en har i Stortinget – at vi holder på, og at vi vil holde ut når det gjelder å kjempe for Norges posisjon i forhold til den gode innskytergarantiordningen vi har. jeg lyst å si følgende: Solide banker er en fordel. Det er en fordel for landet, det er en fordel for bedriftene, og det er en fordel for oss som betror banker sparepengene våre. Men det er også viktig, som representanten Syversen var inne på, at vi får gode råd, og at det utøves et godt og sunt bankhåndverk i så måte. Solide banker og en solid finansnæring skal også kunne bidra til tillit – hos den enkelte, men ikke minst i markedet, slik at norske banker får de best mulige innlånsvilkår. innlånsvilkår. Jeg har lyst til å avslutte med et sitat fra den avgående sentralbanksjefen i England, Mervyn King, som sa: «Banks are global in life and local in death.» I det ligger det at det er den enkelte banks ansvar og det enkelte lands ansvar å sørge for at vi har solide banker, for den dagen noe skjer, må krisene håndteres lokalt, der og da. Vi må med andre ord

Det øker kostnadene for bankene. Som en konsekvens varslet DNB at den vil øke renten med 0,3 pst. Det reagerte bankens hovedaksjonær på, nemlig regjeringen selv. Men litt tidligere opplevde vi at bankens hovedaksjonær tok ut og stemte for et økt utbytte på 3 mrd. kr fra DNB. DNB. Da stusser jeg litt, for akkurat for to minutter siden sa statsråden at solide banker var en forutsetning. Og hvis solide banker er en forutsetning, hvorfor skal man da ta ut 3 mrd. kr av den banken man mener skal være solid, når en da attpåtil skal gi den økte kapitalkrav? Var det litt valgflesk her, at det gikk ut over folk flest, som fikk høyere renter, mens regjeringen skal ha sine 3 mrd. kr på bok? Er det det som er tilfellet? Det er ingen tvil om at solide banker både er riktig og fornuftig, og solide banker kan en få til på flere måter. Den ene måten er å følge opp de kapitalkrav som Stortinget nå har vedtatt. Det andre er at en driver godt bankhåndverk, som gir tillit til vedkommende bank. Når det gjelder spørsmålet om utbytte, er det jo slik i aksjeselskaper at det er styret som fastsetter utbyttet. Styret i DNB består av representanter fra ulike eiere med ulike andeler, bl.a. de 34 pst. som staten har, og de 66 pst. som private eiere har. Det var styrets anbefaling som gikk gjennom, herunder med den følge at staten får utbytte. Men det rokker ikke ved det faktiske forhold at en nå må holde tilbake utbyttet for å bygge kapital i banker.

– mot formodning – skulle bli gjenvalgt, ikke kommer til å innføre finansskatt i Norge? Det foregår et arbeid internasjonalt med en finansskatt, og det Norge har sagt der, er at vi støtter det internasjonale initiativet som skjer, det vi også har understreket, er at dersom det skjer, er det viktig at det innføres i mange land samtidig. Det er det internasjonale bildet. Så er det slik at skatteløftet står fast. Det betyr at det er skattenivået fra 2004 som gjelder, og det vil vi også legge til grunn i en ny rød-grønn regjering. Det tredje jeg vil si, er at i stortingsproposisjonen om skatt for

Da vil presidenten få klarhet i debattopplegget, for på presidentens skjerm står det fem replikker, men det kan tyde på at det har blitt vedtatt et taletidsopplegg med fire replikker, og hvis det er enighet om det, er det da to replikanter igjen – først representanten Hans Olav Syversen. Om man er enig om den femte replikken, kommer an på hvem som hadde fått den!

Så det jeg tror er viktig for vår del i Norge, er å føre videre den utredningen som jeg viste til, og som er omtalt i budsjettet for 2013, for å se på muligheten for å finne fram til et alternativ til en ordinær merverdiavgift for finansnæringen. Det er en utredning som men her har vi, både i nasjonalbudsjettet og i skatteproposisjonen, vist til det arbeidet som pågår. Det er det regjeringen driver med på dette området. I mitt innlegg snakket jeg om utlån til små og mellomstore bedrifter.

ny regjering med dagens opposisjonspartier tror jeg heller skal forhandle og bli enige i fellesskap, framfor å avlyse hverandres politikk. Så jeg er glad for å tilhøre høyresiden i Norge. Der er det lov til å tenke og til å snakke sammen. Så til det jeg egentlig skulle ta ordet for: Jeg ble litt overrasket da f.eks. representanten Meltveit Kleppa snakket om hvor viktig det var å ha egenkapitalkrav på plass, for nå var det viktig å regulere lånesituasjonen i boligsektoren. I det samme budsjettet som denne regjeringen har lagt fram, har en økt lånerammen til Husbanken nok en gang – en har mer enn doblet den på få år. I det samme reviderte budsjettet øker en altså lånekapitalen i Statens pensjonskasse med 12,5 mrd. kr. Det er mer enn en dobling på bare et par år. Så mens en snakker om at private banker må være restriktive med sine utlån, kan de statlige bankene altså få lov til å mer enn doble sine utlån. Jeg klarer ikke å se at statlige utlånskroner har en annen effekt i boligmarkedet enn private. Det betyr jo bare at enten driver en gjøn med folk når en later som om en strammer inn, eller så er dette et forsøk på ren statskapitalisme. Jeg vet ikke hva som er verst. Men det som også er påfallende, er at når vi har stilt spørsmål til Finansdepartementet om hva konsekvensene blir av at Husbanken får lov til å låne ut mer penger, hva konsekvensene av at Husbanken får lov til å låne ut mer penger, hva konsekvensene blir av at Statens pensjonskasse får låne ut mer penger til boligmarkedet, er svaret at det vil ikke bli noen effekt i norsk økonomi, for dette skal bare erstatte andre lånekilder. Da er det jo egentlig statskapitalisme en bekrefter, for når en sier at Husbanken får mer penger, men at det bare betyr at de skal erstatte private bankers utlån, har jo ikke det noe resultat, netto, på boligmarkedet. Det har bare noe å gjøre med hvem som er aktørene som boliglånsformidlere. Jeg synes ikke det er fornuftig at staten skal overta risikoen fra private banker og bare late som om man da er mer ansvarlig. En burde heller sørge for at det var gode reguleringer for bankene. Det jobber vi med. Men dette egenkapitalkravet blir svært kunstig når private banker tvinges til å låne ut mindre, Men dette egenkapitalkravet blir svært kunstig når private banker tvinges til å låne ut mindre, mens statlige banker i stedet bare overtar låneporteføljen. Jeg skulle gjerne hørt det logiske resonnementet fra representanten Meltveit Kleppa og andre rød-grønne politikere om hvorfor det er mer ansvarlig når staten låner ut penger til boligmarkedet enn når private låner ut. Jeg ser fram til et godt svar.

først skulle sette seg sammen og danne seg et realistisk bilde av hvor mye de samlet skal kutte norske skatter med, før de blander seg inn i diskusjonen på rød-grønn side om skattenivå. Jeg vil si at diskusjonen i Norge ikke går mellom uendret eller marginalt høyere skatt, som SV har et kjent standpunkt om, og som vi har et helt avslappet forhold til. Det må være en helt lovlig sak å flagge hva man mener om dette. Det gjorde de også før valget i 2009.

det skulle skje at Jan Tore Sanner eller Ketil Solvik-Olsen eller noen andre på borgerlig side skulle bli finansminister etter valget, er noe av det første de skal gjøre, med støtte fra de andre, mindre opposisjonspartiene, å gå opp i Finansdepartementet og sende instruks til Finanstilsynet – et uavhengig faglig tilsyn – om at det de på det beste faglige grunnlag har anbefalt norske myndigheter å gjøre, gjøre, skal man nå se bort fra. Instruksen skal være: Tilbake dit vi var før! En kan se bort fra det egenkapitalkravet som bankene nå er påført. Det er ikke riktig, som det er blitt framført en rekke ganger, både i offentligheten og her i salen, at det ikke er mulig å lage en særskilt, individuell behandling – og også å gå rundt dette kravet hvis man har en spesiell behandling. Det er riktig at det er strengere, men hele poenget er at når Husbanken og andre slik Solvik-Olsen peker på, er det riktig at det har vært vekst. Jeg sier ikke at den veksten er helt uproblematisk. Men når en ser på den samlede porteføljen, beholdningen til de private, kommersielle bankene og statsbankene – altså både Pensjonskassen og Husbanken – er det snakk om en til to prosent av den totale utlånsbeholdningen i Norge. Det er ikke her de store ubalansene er i ferd med å bygge seg opp. Så vil jeg til slutt legge til: Noe av poenget er at for folk i Norge som ellers ikke kan fylle kravene til til: Noe av poenget er at for folk i Norge som ellers ikke kan fylle kravene til de kommersielle bankene, er det nettopp staten og de offentlige aktørene som tar noe av risikoen – av børa – til enkeltpersoner. De er med og bærer noe av faren hvis man ikke klarer å håndtere dette på sikt. Det er bra, og det burde folk forstå. Ja, det var tydeligvis en øm tå, det å konstatere hva som er Ja, det var tydeligvis en øm tå, det å konstatere hva som er situasjon på rød-grønn side. Torgeir Micaelsen sa nå at vi burde holde oss unna å blande oss inn i diskusjonen på rød-grønn side. Jeg har ikke sett noen diskusjon. Jeg har sett et diktat fra Arbeiderpartiet. Så vi kan nok ikke blande oss inn i noe som ikke er en diskusjon, men vi konstaterer fakta. fakta. Det tror jeg også det norske folk er interessert i å høre om. Så var det dette med egenkapitalkravet. Ja, nå sa jo Torgeir Micaelsen egentlig det som Ketil Solvik-Olsen for så vidt sa: Man overfører mer av boliglångivningen til statsbankene, og da trenger man ikke ha det Man letter «børa», som representanten Micaelsen sa. Det er jo veldig interessant. Det er bare det at det er en veldig selektiv gruppe som får den lettelsen som representanten skryter av. Vi hadde møte med KS for bare et par uker siden. Det er jo kommunene nå som i mye større grad skal sitte med den risikoen åpenbart synes er helt riktig, i stedet for at man foretar en individuell vurdering fra privatbankenes side om hvem som faktisk kan betjene lån og ikke, og ikke med dette rigide 15 prosentkravet. Bare først til representanten Micaelsen. Det er

og erstattes med andre virkemidler som nødvendige krav til sikkerhet for lån og bedre ordninger for å spare til egen bolig gjennom Boligsparing for ungdom» – og i pakt med det vi allerede har sagt, flere av oss, når det gjelder at finansieringen oppnås gjennom statlige banker, og dermed blir det ikke etter netto lånereduksjon. Så til dette med finansskatt. Jeg synes det var interessant at finansministeren avfeide SVs forslag mindre enn et døgn etter at det kom. Det betyr jo at løftet om de 9 mrd. kr, som SV tydeligvis skal drive valgkamp på, i beste fall er – jeg skulle til å si en bløff, men det kan jeg vel ikke si fra Stortingets talerstol – unøyaktig eller uklart, for da har man et løfte som man vet Det er ganske oppsiktsvekkende. Da hadde det vært interessant å vite hva SVs medlem av finanskomiteen synes om at finansministeren fra Stortingets talerstol tar ned et av SVs viktigste valgløfter før valgkampen i det hele tatt er i gang, og tar vekk hele manøvreringsmuligheten til SV for å drive den politikken som SVs leder i dag sier de skal. Jeg er for så vidt helt enig med finansministeren i at det skattenivået som Bondevik II-regjeringen hadde i 2004, var bra da. Vi mener at det skattenivået som Bondevik II-regjeringen hadde i 2004, skal ned i 2014, 2015, 2016 og Det kommer vi til å klare, for i sum har de borgerlige partiene gode oppskrifter på skattereduksjoner. Vi fikk det til i forrige periode. Vi kommer til å få det til en gang til. Men derfor er det interessant å få vite at finansministeren så tydelig i dag tar ned SV at det blir ingen finansskatt. Jeg synes dette har vært en litt rar debatt, og kanskje de rød-grønne kan lære litt av at det faktisk er
– vær så god.

og det finner jeg litt rart. Derfor er det naturlig at opposisjonspartiene går til valg som selvstendige partier og deretter dimensjonerer politikken når en ser hvordan styrkeforholdet blir. Jeg forstår jo at SV er blitt vant med å bli kuet under den rød-grønne regjeringen. Det er jo ikke mange ukene siden vi hørte at miljøvernministeren var blitt for olje- og gassutvinning på Barentshavet sørøst, for der var det primært gass, og det var ikke så farlig for miljøet som oljen angivelig var. Det er det samme partiet som var imot gasskraftverk for bare få år siden fordi gass var fælt. Så en utvikler seg så lenge en lever, og det er jo bra. Når det gjelder Finanstilsynet, merket jeg meg at finanskomiteens leder ikke våget å snakke om statens rolle i dette, men kun om teknikaliteter rundt Finanstilsynets drift. Men som flere har påpekt etter finanskomiteens leder: En velger altså å ha en rolle der en sier at statlige banker står utenfor Finanstilsynets mandat. Der pøser en inn masse penger, mens de bankene som er innenfor Finanstilsynets mandat – som primært er private – får sterke restriksjoner. Da er jo ikke dette særlig ansvarlig overfor det totale bankmarkedet, selv om det prosent. Når en i tillegg sier at Husbanken har en viktig rolle, for de skal gi penger til folk som ikke ellers ville klart å betjene lånene, minner det jo litt om hvordan finanskrisen startet i USA. Men ikke minst: Regjeringen sier jo selv at Husbankens lån ikke skal være et netto bidrag i den norske økonomien, for det skal erstatte andre lånekilder. Så det som finanskomiteens leder her legger til grunn, har jo finansministeren allerede avvist, for han sier at når en erstatter andre kilder, er jo dette folk som ville fått lån i private banker hvis bare private banker hadde fått lov til å gi de lånene. Så jeg håper finanskomiteens leder kan komme opp en gang til og prøve å treffe litt mer presist når han skal prøve å svare på spørsmål fra opposisjonen. Det hadde vært veldig bra for debatten.

han har registrert det estimerte overskuddet på statsbudsjettet for 2013 på 380 mrd. kr – 380 mrd. kr. Finanskomiteens leder mener at den aller beste anvendelse av pengene er å investere dem i våre konkurrentlands bedrifter – absolutt alt sammen. Genialt! Det er veldig få som synes det er genialt, men det gjør man. Man er skråsikker, så overbevist om og får så mye støtte rundt å investere i og styrke våre konkurrentlands bedrifter, istedenfor å prøve å bygge ny infrastruktur i Norge, eller å gi pengene tilbake til dem som eier dem, nemlig de norske innbyggerne. Det er det Fremskrittspartiet primært ønsker, og vi går ikke konkurs hvis vi gjør akkurat det. Så har jeg lyst til å komme tilbake til det jeg sa i innlegget mitt, nemlig det som er nevnt her som en sårbarhet i finanssystemet, nemlig at folk blir eldre. Jeg fikk ingen kommentar på det, og siden finanskomiteens leder har vært ute med det flere ganger, kan finanskomiteens leder kanskje utdype dette – om han faktisk mener at det er en utfordring at folk blir eldre, og at det er noe man skal nevne i samme åndedrag som man nevner lav rente og høy boliggjeld. Jeg synes det er underlig at det tas opp i samme åndedrag, og jeg forstår problemstillingen. Men synes han det er verdig måte å behandle de eldre på? Jeg hadde egentlig ikke tenkt å kommentere den siste delen av debatten, for den var, for å si det

de rød-grønne partiene styrt dette landet i åtte år og har gjort det på en utmerket måte. De har vært enige om skattepolitikken, om samferdselspolitikken, om helsepolitikken og om skolepolitikken. Det kommer vi selvsagt til fortsatt å være i årene framover. Vi har demonstrert at vi makter å bli enige etter at vi har forhandlet sammen. Det står i sterk kontrast til det som opposisjonspartiene så langt har demonstrert foran valget, for de har har annenhver uke annonsert at de ikke kommer til å regjere sammen hvis Fremskrittspartiet mener det, og hvis Kristelig Folkeparti mener det. En mer sprikende samling av partier enn det opposisjonen har demonstrert, har vi vel knapt hatt foran et valg. Jeg er helt enig i det som representanten Torgeir Micaelsen innledet med å si, at de får først bli enige om hvilken verden de befinner seg i når det gjelder den økonomiske politikken.

finansministeren orientert om. Utredningene knyttet til finansskatt er i gang. Det utredes ikke bare i Norge, det utredes i hele Europa. Representanten Arve Kambe har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til

folk selv regne på hvem som vil være i stand til å følge opp sine valgløfter. Nå vet vi allerede at SVs valgløfter ikke vil bli fulgt opp. Dette er

at i Soria Moria I i 2005, ble man enig om å legge til grunn skattenivået fra 2004. Det klarte vi også i Soria Moria II i 2009, og jeg er overbevist om at vi også klarer det i Soria Moria III i 2013. Det er det denne saken handler om. SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet selvsagt skal drive valgkamp, og vi har masse ammunisjon i den sammenhengen, så jeg tror ikke man trenger å bekymre seg over at vi ikke skal kunne drive en god valgkamp ut fra den retningen vi ønsker å drive Norge i. Så får vi komme tilbake til det som dreier seg om den borgerlige uenigheten, som etter mitt syn er relativt sett stor. Det er en interessant utvikling – til og med denne en ny forskjell på 400 mrd. kr eller der omkring over en tiårsperiode. Slike ting skal vi nok få rikelig anledning til å diskutere senere. Jeg stopper der, og jeg regner med at vi tar opp igjen tråden neste fredag. Representanten Ketil Solvik-Olsen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

som at skattenivået skal ligge fast neste runde. Da har han i realiteten avlyst SVs løfte i Dagbladet i går, for det handler om at man nettopp skulle ta inn mer penger fra norsk næringsliv og norske husholdninger enn det regjeringen gjør nå. Finansskatten skulle være en ekstrainntekt til staten. Det er noe annet enn det Sigbjørn Johnsen sa skulle være regjeringens politikk neste år. Det er et hederlig forsøk på å ro, men jeg synes ikke finansministeren gjorde det på en særlig Det sier vel mest om problemene internt i den rød-grønne regjeringen. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 25. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 24 minutter og fordeles med inntil 3 minutter til hvert parti og inntil 3 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå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

har integrert et tydelig samfunns- og miljøansvar i sin kapitalforvaltning. Både Norges Banks hovedstyre og representantskap har i 2012 videreutviklet et styringsrammeverk for eiendomsinvesteringer i SPU som omfatter føringer vedrørende oppretting av og tilsyn med datterselskap. Representantskapet har gjennom fjoråret fulgt opp hvordan banken har bygd opp eiendomsporteføljen i SPU, og har i den forbindelse behandlet en uavhengig vurdering av styrings- og kontrollrammeverket for eiendomsinvesteringer. Dette er nødvendig all den tid eiendomsinvesteringer er nytt for forvaltningen av SPU. Komiteen utrykker da også tilfredshet med at representantskapet har fulgt opp dette området spesielt gjennom fjoråret. Hovedstyret for Norges Bank leder den utøvende og rådgivende virksomheten til banken, mens representantskapet fører tilsyn og kontroll. Representantskapet har sitt eget sekretariat og fører tilsyn med bankens drift og med at reglene for bankens virksomhet blir fulgt. Representantskapet fastsetter Norges Banks regnskap og vedtar budsjett. Det har de siste årene skjedd flere endringer når det gjelder representantskapet, ikke minst gjennom den før omtalte presiseringen som ble gjort i sentralbankloven i 2009 om tilsyns- og og ved at representantskapet fra 2010 rapporterer direkte til Stortinget. Komiteen mener det er viktig at det løpende vurderes hvordan tilsynet med bankens virksomhet kan utvikles videre, herunder også representantskapets rolle. Det er viktig at den gode utviklingen som har vært gjennom i det videre tilsynsarbeidet legger godt til rette for det bl.a. gjennom fortsatt høy prioritet på områder som risikostyring, internkontroll, risikoreduserende tiltak og en etterleving av lover og regler. Komiteen tar til orientering representantskapets hovedkonklusjon om at hovedstyret har hatt tilfredsstillende styring og kontroll med Norges Bank i 2012. Med dette anbefaler jeg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

For det første ble utgiftene mindre enn forutsatt. Over halvparten av mindreforbruket kommer av lavere utgifter enn det som opprinnelig ble lagt til grunn. I tillegg har inntektene økt. Skatte- og avgiftsinntektene ble samlet sett 7 mrd. kr høyere enn det som var lagt til grunn. Så vil noen si at 19 mrd. kr er et ganske friskt tall, et betydelig avvik. Til det påpeker regjeringen, og det er jeg enig i, at det alltid vil være en viss

i den økonomiske utviklingen. Det er derfor bra at Finansdepartementet, gjennom både oppmerksomhet og et eget utvalg, adresserer nettopp det vi alle er opptatt av: Å sikre et best mulig faglig grunnlag å forholde seg til i utarbeidelsen av de årlige budsjettene. Jeg vil legge til at det nå har blitt regelen at når man bommer, så bommer man heldigvis i stor grad ved at det blir større inntekter og mindre utgifter. Det er en mye bedre verden å være i enn der hvor mange andre land har vært, hvor man har bommet den andre veien, og inntektene har blitt lavere og utgiftene større. Da har landene ofte mye større problemer. Går vi så videre til våre penger på bok, ser vi at den bokførte verdien av Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2012 er på 3 825 mrd. kr. Det er over 500 mrd. kr mer enn ved utgangen av 2011. Den rikdommen vi har på bok, og som vi henter opp fra fra sokkelen, er god, men den krever også at vi tar ansvar, at vi forvalter verdiene godt. Vi må sørge for at de ekstra ressursene vi nå omsetter til en pengeverdi, ikke blir faset inn i økonomien i en slik takt at økonomien går over styr. En sånn formue kommer ikke av seg selv og forblir ikke stor hvis ikke vi ter oss ansvarlig i denne salen. Med dette anbefaler jeg innstillingen om statsregnskapet.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

med godt klimaanlegg og god musikk – kanskje Bjøro Håland med «I Love Norwegian Country» – og trivst godt, så tenkjer du kanskje ikkje på dei som er på den andre sida, som beveger seg i eit bustadfelt, i ein barnehage, og som blir plaga av støyen som kjem frå den bilen som du trivst så godt i. Det

ofte meir støy og meir svevestøv, og me får meir luftforureining enn om me dempar farten. Eg har sjølv vore på besøk i ein barnehage i Stavanger som heiter Barnas hus, der motorvegen ligg tett inntil. Når det regner, er det eit utruleg høgt støynivå for ungane som er ute og leiker. Dette er eit område – Saksamarka heiter det – som absolutt ville ha passa til ei sånn miljøfartsgrense. Det er viktig at me følgjer opp dette. Så må me jo spørja kva Framstegspartiet tenkjer, som ikkje ønskjer å ta omsyn til astmatikarar og allergikarar og folk som blir plaga av støy, men berre skal auka farten, auka forureininga, auka støyen og dermed plagene til dei som blir ramma av dette. Det er då ein lurar på om representanten Hoksrud beveger seg nok rundt omkring, og det ville vore interessant i dag å høyra kva han – som er talsmann i denne saka òg, og som no har gått inn

fikk man en omlegging, og folk kjøpte mer dieselbil. Dette medførte mer lokal forurensning. Vi har flere ganger fremmet forslag om GTL – eller gas to liquids – som man kan bruke på dieselbiler og på den måten redusere utslippene kraftig. Vi mener også at det går an å gjøre mange andre grep når det gjelder bedre vedlikehold på disse veiene. Noe av det som er moro, er diskusjonen om

Så kanskje representanten Langeland burde vært med og gjort noe med infrastrukturen og sørget for bedre og flere veier, men den debatten regner jeg med at vi får på tirsdag i neste uke. Jeg vil vise til våre merknader, som vi har i denne saken, og som vi har hatt tidligere i forbindelse med samme sak. Vi mener at dette er en dårlig løsning. Vi vet også at det er leger som jobber med dette, som jobber med luftveissykdommer og allergi, som sier at det ikke har den effekten som representanten Langeland og andre vil hevde at det har. Det er veldig delte meninger om dette, og vi kommer til å stemme imot endringsforslagene til loven. I dag har lagmannsretten her i byen sendt en ankesak om miljøfartsgrenser i

miljøfartsgrenser. Det har vært oppsiktsvekkende treg fremdrift i arbeidet med å avklare det hjemmelsgrunnlaget som vi nå får på plass for miljøfartsgrense. Det har i flere år vært uavklart hvorvidt politiet har rett til å håndheve tiltaket, og det er nå nær to år siden Høyre og Kristelig Folkeparti fremmet forslag om at regjeringen skulle avklare nettopp dette juridiske grunnlaget for miljøfartsgrense i Oslo, slik at tiltaket kunne videreføres uten opphold. Formålet med forslaget er å klargjøre at miljø, inkludert vern av folkehelsen, er et allment hensyn i veitrafikkloven, og at overskridelse av fartsgrenser som er fastsatt av hensyn til miljøet, skal følge det ordinære reaksjonssystemet for brudd på fartsgrenser. Veislitasje og oppvirvling av veistøv er en stor kilde til at vi får svevestøv. Etter stadige overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdi for svevestøv, ble det i 2004 igangsatt et prøveprosjekt med miljøfartsgrense på riksvei 4 i Oslo, og dette førte til at fartsgrensen på strekningen ble satt ned fra 80 km/t til 60 km/t i piggdekksesongen for å redusere svevestøvet. Det har vært gode resultater av dette forsøket, og det har jo ført til at miljøfartsgrense også ble innført på Ring 3 i 2006 og på strekningen Framnes–Lysaker på E18 i 2008. Det er mange – altfor mange – som er plaget av luft- og støyforurensning, og Norsk forening mot støy og Astma- og Allergiforbundet påpeker også hvilke stadige helseplager som påføres folk nettopp av veitrafikken. Miljøfartsgrense kan sånn sett være et nyttig tiltak for å bedre luftkvaliteten. For Høyre er det viktig å påpeke at det er lokale styresmakter som skal ha en mulighet til å ha størst mulig verktøykasse i arbeidet med sikre at man har et godt bymiljø. Det er også viktig for Høyre å understreke at det må være lokale myndigheter som bestemmer hvorvidt miljøfartsgrenser skal innføres innenfor kommunegrensen. Da mener vi at miljøfartsgrenser også må være et virkemiddel som er tilgjengelig nettopp for lokalpolitikere, og som sånn sett kan gi den beste vurdering, men også den beste virkning

og mindre støy, vil regjeringen gjennomføre tiltak for de mest utsatte områdene og også arbeide videre for å fastsette mål for nattestøy. Det presiseres også at miljø er et av de elementene som det kan tas hensyn til ved fastsettelse av fartsgrenser. Det lovforslaget som i dag behandles, klargjør hjemmelen og reaksjonsregelverket for miljøfartsgrenser, og det presiserer nettopp at miljø, inkludert støy, kan være ett hensyn i veg- og skiltmyndighetenes fartsgrensesetting. Videre klargjøres det også at overskridelser av en fartsgrense som er fastsatt helt eller delvis av hensyn til miljøet, skal følge det vanlige reaksjonsregelverket for fartsgrenser. Det skal erkjennes at det har vært en lang prosess omkring denne lovendringen, men den men den endringen som i dag ligger til behandling, vil danne den rettslige rammen for miljøfartsgrenser, f.eks. for å redusere svevestøv eller støy, enten for reetablering av de tre miljøfartsgrensene i Oslo eller for etablering av nye miljøfartsgrenser andre steder i landet. Det lovforslaget som i dag ligger til behandling, har vært ute på alminnelig høring, det endelige forslaget har fått bred støtte blant høringsinstansene, bl.a. fra Riksadvokaten, politiet og veg-, helse og miljømyndighetene. Jeg har merket meg komitéflertallets merknad om at det er en stor fordel for lokale myndigheter å kunne ha en størst mulig verktøykasse i arbeidet for å bedre bymiljøet, og at det må være opp til lokale myndigheter å bestemme om miljøfartsgrenser skal innføres innenfor kommunegrensen. Jeg deler disse betraktningene, men har også med den presiseringen at både kommunene og regionvegkontorene må få lov til å ha et ord med i laget om det skal innføres miljøfartsgrenser på henholdsvis kommunale veger og riks- og fylkesveger – i tråd med dagens ansvarsfordeling. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 28. Vi behandler nå sakene nr. 29–40 samlet. Alle sakene gjelder andre gangs behandling av lovsaker. Ingen har bedt om

Han

enda mer. Nå nærmer de

lite

ser det ut til at Stortinget er klar til å gå til votering over sakene på dagens kart. Under debatten er det satt fram i alt sju forslag. Det er forslag nr. 1, fra Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslagene nr. 2–7, fra Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet Det voteres over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet og Høyre. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen snarest fremlegge en fremdriftsplan for gjennomføring av nytt beredskapssenter i Oslo-området.» Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet at de støtter forslaget.

nytt femte ledd og Ny § 147 d, II § 200 a første ledd første punktum, § 202 c, § 216 a første ledd bokstav b, § 222 d annet ledd bokstav a, III, IV § 131 nytt tredje ledd og Ny § 136 a. Venstre har varslet at de ønsker å stemme imot. Det voteres

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det foreligger så et forslag fra Fremskrittspartiet som er framsatt i tilknytning til denne saken. Dette forslaget gjelder forhold som ligger utenfor det som er temaet i regjeringens proposisjon, og det har følgelig ikke vært grunnlag for å behandle det i komiteens innstilling. Når forslaget likevel er framsatt i tilknytning til saken og mulighetene for en ordinær behandling er veldig begrenset på denne tiden av året, vil presidenten, siden den saken vi behandler, også gjelder straffeloven, foreslå at forslaget behandles i tråd med § 38 annet ledd i Stortingets forretningsorden. Punkt d i nevnte bestemmelse innebærer at det kan tas opp til avgjørelse straks dersom ikke presidenten eller en femtedel av de representantene som er til stede, motsetter seg dette. Presidenten foreslår på denne bakgrunn at det realitetsvoteres over forslaget fra Fremskrittspartiet. Ingen innvendinger er kommet mot det – og det anses vedtatt. Forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet,

Det voteres over komiteens innstilling til I, § 216 i første ledd tredje punktum. Det voteres over komiteens innstilling til de øvrige paragrafer under I, unntatt § 28 fjerde ledd, og II og III. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Grunnloven. Det foreligger ikke noe referat. Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er